konvensjonelle anlegg – midlertidige anlegg – for store beløp, anslagsvis mer enn 1 mrd. kr, som igjen må erstattes av ERTMS om noen få år. Målet må være å få mest mulig veg og jernbane for pengene. Det oppnår man ikke ved å bygge midlertidige anlegg for milliardbeløp. Så til en annen sak, som ikke har kommet med i denne samleproposisjon, som kanskje vi alle har ventet på: Det gjelder E6 Helgeland nord. Der var det en merkostnad på 450 mill. kr, som statsråden har valgt ikke å komme til Stortinget for å finne en løsning på i samleproposisjonen. Som en representant sa tidligere i dag fra talerstolen, begynner det å bli kritisk for deler av prosjektet. Så vi er spent på når statsråden har tenkt å komme tilbake til den saken. En siste ting: Det gjelder kreativ etablering av selskap. Jeg registrerer at statsråden står rakrygget bak at Avinor omorganiserer på Svalbard for å unndra beskatning til den norske stat. Jeg vil bare komme med noen kommentarer. Her brukes det tid på økte kostnader knyttet til ERTMS, og så det kritikk fordi man ikke kommer i gang raskere. Jeg er glad for at vi har en statsråd og en regjering som er seg sitt ansvar bevisst når det kommer til hvordan man bruker skattebetalernes penger og faktisk kvalitetssikrer før man setter i gang. Det er ikke noen tvil: Dette er et av vår moderne tids største løft for infrastruktur i Norge, og vi er nok mange som rundt omkring i landet har stått mang en gang og ventet på perrongen fordi det ikke kom tog på grunn av signalfeil. Tidligere regjeringer har hatt muligheter, og dette handler om etterslep og mangel på bevilgninger og mangel på handlekraft, i hvert fall gjennom de siste 20 årene. Nå skjer det noe. Heikki Eidsvoll Holmås påstår at det er en neddragning av investeringer i jernbane. Da lurer jeg litt på hvor han har vært hen. For 2012 var ikke ambisjonsnivået så veldig høyt i den rød-grønne regjeringen. Man satte av 47 mill. kr til planlegging. Det er derfor man ikke kan investere mer, man får ikke brukt mer penger. I inneværende år er det 1 144 mill. kr, som betyr at denne regjeringen satser på kollektiv. Det kan virke som om innkreving av bompenger for Oslofjordtunnelen opphører. Det blir ikke mer trafikksikkerhet av å betale bompenger. Det opphører fordi det er bompenger for Oslofjordtunnelen opphører. Det blir ikke mer trafikksikkerhet av å betale bompenger. Det opphører fordi det er betalt. Jeg er også glad for at man her gjør kvalifiserte valg før man beslutter noe og bestemmer noe. Trafikksikkerheten har både komiteen og statsråden sagt noe om. Det skal vi følge med på. Men det blir ikke mer trafikksikkerhet av å betale for bom.
Jeg har bare lyst å kommentere et par ting som har kommet fram. For det første synes jeg at jeg begynner å kjenne igjen dette angrepet fra Arbeiderpartiet om at ting ikke skjer, og at det ikke går fort nok. Det har vi hørt ofte. Poenget er at vi har bevilget mer penger enn noensinne. Vi har en framdrift i sakene. Vi trengte en del planleggingsmidler for å få det opp på et anstendig nivå da vi tiltrådte som regjering. De planleggingsmidlene bruker vi til å planlegge prosjektene framover. Det er også noe av det som har vært nevnt her som en av årsakene til at man ikke alltid kommer i mål med oppstart til rett tid: Planleggingsprosessen tar lengre tid en forutsatt. Dette med bompengeinnkreving er alltid et litt ømtålig punkt, men forhåndsinnkreving av bompenger er greit når man vet at prosjektene kommer. Det er for så vidt en fornuftig måte. Men det normale i andre saker har jo vært at man først har bygget veien og så krevd inn pengene etterpå. Det er fordi de som bruker veien, skal være sikre på at man har fått det man betaler for. Vi har jo et grelt eksempel når det gjelder Oslopakke 3 og E18 Vestkorridoren. Der har man helt siden 2008 innkrevd ekstra bompenger til veiprosjektet, som man ennå slåss om gjennomføringen av. Nå er det heldigvis over, nå kommer veien, og jeg er glad for det. er at man skal bygge veien, før man krever inn pengene. Men man skal i hvert fall avslutte innkrevingen når veien er betalt. Og når man har drøyd dette i noe tid i forbindelse med Oslofjordtunellen, er det fordi man innenfor et visst tidsrom – man bevilget seg man skulle gjøre – ennå ikke har kommet helt i mål med det alternativet som man kommer til å bygge. Det gjør at man på et eller annet tidspunkt må si: Nå er denne veien nedbetalt. Til gjengjeld har vi nå satt i gang et prosjekt i den andre enden av rv. 23, som også betyr mye, nemlig det som skal skje gjennom Drammen. Så det pågår viktige prosjekter på rv. 23 i dag, og man viderefører prosjektet i den andre enden. Jeg påpekte i mitt innlegg at når det har vært tre dødsulykker på rv. 23 hittil i og man viderefører prosjektet i den andre enden. Jeg påpekte i mitt innlegg at når det har vært tre dødsulykker på rv. 23 hittil i år, sier det noe om beskaffenheten på veien utenom tunellene. Det er faktisk en vei som krever investeringer, både på Lier-siden og på Frogn-siden. Flere har ikke bedt om ordet til sak

Sørlandet. Det er nok mange folk i Telemark som nå følger med på forhandlingene i Stortinget, og for mange er dette en stor dag. Stortinget vil i dag gi grønt lys for å bygge ny E18 mellom Rugtvedt og Dørdal i Telemark. Mange har ventet lenge på denne dagen – noen vil vel si at det kanskje har vært unødvendig lenge. Dagens vei har varierende standard, med mye randbebyggelse og Sammen med stor trafikk fører dette til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet, særlig i helgene. Trafikken gir miljøulemper for randbebyggelsen. Nye Veier har besluttet at strekningen E18 Langangen–Dørdal er en av de første delstrekningene i selskapets portefølje som bygges ut. Dette er helt i tråd med Meld. St. 26 for 2012–2013 Nasjonal transportplan 2014–2023, der det legges til grunn anleggsstart i første fireårsperiode, forutsatt tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiering av utbyggingen. Lokale myndigheter har gjort disse vedtakene, i dag gjør Stortinget det samme. Det legges opp til anleggsstart i 2017, og strekningen planlegges for åpning for trafikk i 2020. Veiprosjektet omfatter bygging av 16,8 km ny firefelts vei. Det vil i tillegg bli bygd 1,2 km tofelts vei for sammenkopling med dagens vei. Dermed reduseres den nye veien med en kjørelengde på 1,6 km. Veien skal bygges ut for ca. 4,4 mrd. kr, hvorav bompengeandelen utgjør 40,6 pst. Det er en enstemmig komité som i dag ønsker å sette spaden i jorda raskest mulig for å få bygget denne veien. Arbeiderpartiet mener selvsagt at det er fornuftig å se på den Arbeiderpartiet mener selvsagt at det er fornuftig å se på den beregningstekniske renten på bompengelån, både i dette prosjektet og i andre prosjekter. Det vil åpne for lavere takster, kortere nedbetalingstid eller en utvidelse av prosjektet, noe som igjen gir mer vei for pengene. Et enstemmig storting kommer i dag til å gi et signal til samferdselsministeren og regjeringen om å se på den beregningstekniske Arbeiderpartiet vil spesielt peke på de lokale vedtakene i punkt 5, som klart sier at et økt økonomisk handlingsrom ønskes fra de lokale myndigheters side å bli benyttet til lavere takster, bedre rabattordning eller kortere innkrevingstid. Vi vet at det på hovedstrekningen mellom Østlandet og Sørlandet, altså E18, fremdeles vil være behov for å gjøre mer. Dette er en av landets viktigste transportkorridorer. Men i dag dreier det seg om Bamble, Porsgrunn og Telemark, og meldingen fra Stortinget er klar: Sett spaden i jorda, sett i gang og bygg veien. Dette er

Dagens vei har varierende standard, med mye randbebyggelse og mange kryss og avkjøringer. Kombinasjonen av stor trafikk og dårlig vei fører til mange alvorlige ulykker og dårlig framkommelighet. Derfor er det på høy tid at vi får gjort noe med denne strekningen. Innenfor rammen av prosjektet er det også satt av midler til utbedring av den gamle E18, og utbyggingen er omklassifisert til fylkesvei. Den gamle E18 vil gå delvis parallelt med den nye, men det er ikke vurdert som nødvendig å ha bomstasjoner på den gamle veien. veien. Det er vi glade for, og vi legger til grunn at hovedprinsippet i slike prosjekter er at det ikke skal være bom på sideveier. Også ved denne bompengeproposisjonen får vi en diskusjon om beregningsteknisk rente. Nå er de rød-grønne partiene plutselig blitt veldig ivrige på å diskutere en lavere beregningsteknisk rente, noe de ikke evnet å gjøre så veldig mye med da de selv styrte. Det er litt påfallende at det som var umulig da de satt i regjering, nå er helt innlysende. Når det er sagt, er vi glade for at denne diskusjonen kommer opp. Vi er opptatt av å bruke det handlingsrommet som er, med en mest mulig korrekt rentefastsettelse, samtidig som vi ivaretar en tilstrekkelig robusthet i finansieringen. I statsbudsjettet for 2016 foreslo regjeringa en rentekompensasjonsordning for bompengelån. Det ville redusert renterisikoen og lagt grunnlaget for lavere bompengesatser eller raskere nedbetalingstid. Dette forslaget fikk dessverre ikke flertall i Stortinget. Det kan likevel være grunnlag for å bruke en lavere rentesats ved fastsettelse av bompengesatsene i dette prosjektet. Oppnås lavere renter i markedet, er det fullt mulig å bruke dette handlingsrommet til å justere finansieringsopplegget, f.eks. ved å redusere bompengesatsene i samarbeid med regionale myndigheter og i dette tilfellet Nye Veier AS. Den fullmakten er det vanlig at Samferdselsdepartementet får ved behandling av bompengeproposisjoner, så også i Jeg registrerer at de lokalpolitiske vedtakene er tydelige på at et økt handlingsrom, f.eks. ved lavere rente eller økt trafikkgrunnlag, skal komme trafikantene til gode gjennom enten lavere takster, bedre rabattordninger eller kortere nedbetalingstid. Det er vi helt enig i, og det blir lagt til rette for det i denne proposisjonen. Rabatten er økt til 20 pst., noe som i seg selv gir rimeligere passering. I tillegg vil departementet gjøre en ny vurdering av rentenivået, noe som kan bety lavere takster eller kortere nedbetalingstid. Slik sett imøtekommer denne proposisjonen og innstillinga fra en samlet komité lokalpolitiske ønsker. Jeg registrerer at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i mange sammenhenger fremdeles er kritiske til etablering av Nye Veier AS. Det må de gjerne være, men det må jo være et tankekors for kritikerne at Nye Veier AS allerede nå er i gang med tre store prosjekter, med til sammen 81,5 km ny og trafikksikker firefelts vei. Etableringen av Nye Veier gir oss et verktøy for en mer sammenhengende og helhetlig utbygging, og vi ser allerede nå resultatet av det. Det håper jeg gleder også Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Med denne bompengeproposisjonen legger vi grunnlaget for økt framkommelighet, bompengeproposisjonen legger vi grunnlaget for økt framkommelighet, vi legger grunnlaget for kortere reisetid og redusert ulykkesrisiko gjennom bygging av firefelts, møtefri vei i et område med stor trafikk. Det er en gledens dag for alle som bruker denne veien og er avhengige av den i sitt daglige virke. Jeg ser meg nødt til å kommentere noen av Arbeiderpartiets og

for strekningen Arendal–Tvedestrand, sa jeg at det var besnærende å registrere et ganske så markant taktskifte i debatten om bompenger fra flere av partiene i Stortinget. Hvorvidt dette baserer seg på behovet for å ta Fremskrittspartiet eller på det faktum at de har endret standpunkt, er jeg usikker på, men jeg heller nok mot det første. La meg slå det helt fast: Fremskrittspartiet har ikke endret standpunkt hva gjelder politikk rundt bompengeinnkreving, men slik jeg foreløpig har registrert, er det ikke flertall for å avslutte denne måten å finansiere vei på. Men hvem vet? Kanskje er trenden i ferd med å snu. Jeg tør igjen minne om at ved framleggelsen av statsbudsjettet for 2016 la regjeringen fram forslag om en rentekompensasjonsordning for å sikre at vi får ned takstene, og at bilistene ikke skal ta kostnadene for lånet, men for veien. Dette stemte bare Høyre og Fremskrittspartiet for. Gjennom behandlingen av proposisjonene for Arendal–Tvedestrand, Kolomoen–Moelv og Rugtvedt–Dørdal støtter nå Arbeiderpartiet akkurat det samme. Jeg må helt ærlig si at det er fortvilende. Nå er det riktignok ikke noe nytt at Arbeiderpartiet raskt endrer sine standpunkter, så dette må vi vel forberede oss på også framover. Jeg sa under behandlingen av proposisjonen for Arendal–Tvedestrand at det var en gledens dag med dette taktskiftet. Ja – jeg må vel si det samme i dag. Jeg registrerer at det framsettes påstander om at det i dette prosjektet er lavere statlig andel enn under tidligere prosjekter. Det er rett og slett feil. Modellen som er lagt til grunn for fordeling av potensielle kostnadsøkninger, er lagt til grunn av tidligere samferdselsministre, inkludert fra Senterpartiet. Det Senterpartiet i denne saken mener de avdekker, er i realiteten en praksis de selv har innført. Jeg er derfor glad for at regjeringen nå leverer et høyoffensivt arbeid om hvordan vi for framtiden unngår dyre kostnadsøkninger og bygger infrastruktur rimeligere. Til slutt vil jeg takke for en god debatt og igjen for den svært positive trenden vi nå kan registrere hva gjelder debatten om bompenger og takster. E18 Rugtvedt–Dørdal er

og det vil være riktig etter vårt syn å vurdere om bilrestriktive tiltak bør innføres på gamle E18 når bompengeinnkrevingen starter opp, etter å ha observert hvordan trafikkmønsteret utvikler seg. Også i dette prosjektet så vel som for strekningen E18 Tvedestrand–Arendal er det grunn til å forvente en markedsrente på et lavere nivå enn den Ja, med de offentlige garantier denne typen prosjekt gir grunnlag for, tyder alt på at rentenivået kan bli betydelig lavere. Viser det seg å være grunnlag for en lavere rente uten at en fraviker kravet til en robust finansieringsplan, kan det skapes gode muligheter for å innfri ønskene fra fylkeskommunen om lavere takster, eventuelt kortere nedbetalingstid. Dette forutsetter vi at departement og fylkeskommune klarer å bli enige om. Redusert reisetid i et samfunn med økt krav til mobilitet bidrar til å skape en regionforstørring som gjør at man kan bo der man bor, og jobbe et helt annet sted, om en skulle ønske det. En sammenhengende utbygging av stamveinett i tett befolkede områder, som tilfellet er på strekningen mellom Østlandet og Sørlandet, vil bety mye for å kunne skape nødvendige og helt avgjørende utvidelser av bo- og arbeidsmarkedet. Nye, bedre og mer trafikksikre veier sammen med utvikling av gode kollektivtilbud skaper framtidens bo- og arbeidsregioner. Det er ikke faglig belegg for å hevde at utbedring av veistandard nødvendigvis skaper mer trafikk. Veiutbygging og forbedringer av dagens standard skaper først og fremst høyere trafikksikkerhet og bedre framkommelighet. Sammen med utvikling av nye null- og lavutslippsbiler som gir reduserte utslipp, blir den type stamveiutbygging som strekningen Rugtvedt–Dørdal er en del av, et viktig bidrag i arbeidet med å skape et samfunn som knytter distrikt og byregioner sammen på en funksjonell og framtidsrettet måte. Så reiser Arbeiderpartiet og Senterpartiet en viktig problemstilling i sine merknader knyttet til spørsmål om årsakene til kostnadsøkningen prosjektet har gjennomgått fra NTP-tallene ble lagt fram, til tallene vi er blitt presentert for i proposisjonen. Ser vi på kostnadsøkningen de fleste, for ikke å si alle, større veiprosjekter har hatt de siste ti årene, er den langt høyere enn hva man har opplevd f.eks. i vårt naboland Sverige. Det er grunn til å lete etter årsakene, men ikke minst få fram nye løsninger for å se hvordan en kan bidra til å redusere den galopperende kostnadsutviklingen. Kristelig Folkeparti har stor tro på at arbeidet med å redusere planleggingstid sammen med en standardisering av stamveiutbyggingen som Nye Veier har gjort seg til talsperson for, kan være viktige grep for å redusere kostnadene. Å gjøre veiutbygging til en form for industribygging gjennom flere standardiserte løsninger vil, sammen med et velfungerende marked med forhåpentligvis etter hvert flere større norske aktører, være viktige grep som vi tror kan bidra til reduserte kostnader. Det bør være en prioritert oppgave å finne nye måter å bygge vei på som kan bidra til en utvikling for å kontrollere kostnadsøkningen i tiden framover på en bedre måte. Jeg viser ellers til saksordførerens gode gjennomgang. Dette er

Hoksrud som òg har nemnt vegen både tidt og ujamt dei seinare åra. Det er ein stor siger at vegen no kjem. Så må eg knyta nokre kommentarar til det som er sagt tidlegare i debatten. Representanten Orten lurer på kvifor den førre regjeringa ikkje gjorde noko med berekningsteknisk rente. Eg vil minna om at den førre regjeringa reduserte den berekningstekniske renta. Ein sette òg i gang prosessar for å få vurdert om det var grunnlag for ein ytterlegare reduksjon av den berekningstekniske renta. Representanten Jensen viser til at det ikkje er sant når Senterpartiet seier at den statlege delen i prosjektet har gått ned frå NTP, og bompengedelen har gått opp. Jo, bompengedelen har auka frå 38,6 pst. til 40,6. Så vert det vist til at dette visstnok skal vera Senterpartiet si skyld. Eg vil minna om at det no er tre stortingsperiodar sidan Senterpartiet hadde samferdselsministeren, så det er sjølvsagt ikkje rett. Modellen for kostnadsdeling som det vert vist til, er ein modell som gjer seg gjeldande frå stortingsvedtaket og under byggjeperioden om korleis ein skal fordela kostnadene. Der føreligg det ein modell, men det er regjeringa sitt ansvar kva bompengedel det vert lagt opp til i kvart enkelt prosjekt. Det skal det ikkje vera nokon som helst tvil om. Difor har Senterpartiet fremja eit forslag om at bompengedelen i dette prosjektet ikkje skal vera høgare enn det ein la opp til i Nasjonal transportplan. Framstegspartiet har etterlyst

aukar år for år, og det vert vedteke stadig nye bompengeprosjekt, over 10 mrd. kr berre i dag. Denne regjeringa og dette stortingsfleirtalet ligg bak Nasjonal transportplan når det gjeld løyvingar til investering i veg. Det går det ikkje an å snakka seg rundt. Det er realitetane. Eg synest det er at ein ikkje løyver meir pengar til investering i veg. Det er behov for å få bygd nye prosjekt, det er behov for å gjera vegane tryggare, og det er behov for å betra framkomsten for næringslivet. Eg ser at det vert eit stort fleirtal og eit samla storting som støttar støttar forslaget som ligg føre. Det viktigaste er no at ein kjem i gang med bygginga, at private entreprenørar under denne regjeringa, som under førre regjering, kan finna fram gravemaskina og anna utstyr og setja i gang bygginga. Ferdigstillinga vil vera ein stor dag for både Telemark og Sørlandet, delar av Vestlandet og andre som bruker bruker vegen. Med det vil eg ta opp Senterpartiet sitt forslag i saka. Representanten Geir Pollestad har tatt opp det forslaget han refererte til. Dette er, jeg, en stor dag. Jeg forstår ikke hvorfor enkelte graver seg ned i dype miner og er skuffet over at de ikke har fått – jeg holdt på å si – kuttet bompenger, som de selv har stemt imot skal kuttes. Vi må først og fremst glede oss over at veien bygges. Så skulle jeg gjerne sett at flere hadde stemt for regjeringens forslag i fjor sommer om å kutte bompenger og bevilge penger til å kutte bompenger. Det nytter ikke først å si nei til å reise på ferie og så kjefte for at en ikke fikk være med. Det er i realiteten det Arbeiderpartiet og Senterpartiet gjør i denne saken. Det er en ren obstruksjonspolitikk, det er en ren misnøyeskapende politikk. La oss heller glede oss over at nå skjer det noe på denne veistrekningen, som jeg selv har kjørt på i så mange tiår og irritert meg over at ulike politiske farger ikke har klart å gjøre noe med. Det er ikke det at det er første gangen noen snakker om denne strekningen. Det er det ikke, og mange kan ta ære for at de har vært med på å planlegge den, for all del. Den lå vel inne i nasjonal motorveiplan fra 1963 også, så det er ikke første gang. Men nå skjer det faktisk vedtak om at den skal bygges og finansieres, og det er forskjellen i forhold til alle andre som har snakket om det. Denne veistrekningen har ikke vært god nok. Det har vært altfor mange ulykker. Altfor mange folk, familier, har mistet noen de er glad i. Nå får vi bedret dette. Det å bygge gode firefelts motorveier gir en trygghet i hverdagen for folk som bruker men det gir også en bedre hverdag for dem som bruker veien som sitt arbeidssted, for lastebilsjåfører, håndverkere og andre, som nå kan komme litt mer uthvilt og litt raskere fram, og med mindre slitasje på kjøretøyet sitt. Den diskusjonen som vi har sett i Oslo der rød-grønne politikere sier at det er gammeldags å bygge firefelts motorvei, håper jeg vi ikke får når det gjelder denne strekningen Det å sørge for at en knytter bo- og arbeidsregioner bedre sammen ved å redusere reisetid og øke trafikksikkerheten, er hovedmålet for vår regjering i vår samferdselspolitikk. Det får vi til stadig flere steder. Det å sørge for at Telemark blir enda bedre inkludert i næringslivet som aksen mellom Kristiansand og Oslo, er for meg veldig viktig. Det er verdifulle industribedrifter som nå kan få redusert sine kostnader. Det er mye god arbeidskraft som nå vil kunne utvide sin horisont om hvor de vil bygge og bo, og fortsatt finne arbeidsplasser som er relevante. Så registrerer jeg at enkelte synes det ofte er så skuffende lite penger som brukes på veibygging nå. Jeg blir litt forundret, for noen av de stemmene har selv sittet i regjering og vært med og foreslått bevilgninger som var mange milliarder kroner lavere enn det som i år brukes, en brukte enda mer tid på å planlegge prosjekter, og en så dessverre en enda større kostnadsvekst i gjennomsnittlig prosjekt enn det vi gjør nå. Jeg er ikke fornøyd med den kostnadsveksten vi ser på en del prosjekter. Derfor jobber vi med ulike løsninger for å kutte de kostnadene. Det er bl.a. derfor vi har opprettet veiselskapet Nye Veier, nettopp for å kunne se på andre løsninger som reduserer prisnivået, nettopp for å se lengre strekninger i sammenheng. sammenheng. Jeg registrerer at i noen av merknadene her kritiseres dette prosjektet med at det er bare en parsell av en lang strekning. Det er nettopp derfor vi har opprettet veiselskapet, for at de skal ha ansvaret for hele strekningen. Der en før ikke ville vite hva som skulle skje med strekningen videre, kan vi nå lese på bygg.no at sjefen for denne strekningen nettopp for at en skal kunne rulle ut et kontinuerlig prosjekt – istedenfor at vi gjør sånn som andre regjeringer har gjort så altfor ofte før, bygge stykkevis og delt, mens lokalpolitikerne kommer til regjeringen og klager på at det som ble bygd for 10–15 år siden, allerede er underdimensjonert. Det er de feilene vi unngår, nettopp ved å se det helhetlig, nettopp ved å dimensjonere stort nok. Jeg får i mange debatter kjeft for at vi bygger for mye motorvei. Arbeiderpartiet kritiserte opprettelsen av Nye Veier med at det ville skape en veibonanza. Det kunne de ikke være med på. Jeg er glad for den veibonanzaen. Jeg tåler den kritikken. Den andre kritikeren i denne salen, Senterpartiet, kunne ikke være med på å støtte Nye Veier fordi det angivelig ville sette norsk veibygging tiår tilbake i tid. Vel, den veien vi nå utbedrer, har ligget tiår tilbake i tid i altfor mange Jeg tror ikke det er noen som bor langs denne strekningen som opplever at ting blir satt tiår tilbake i tid, når de endelig, etter mange tiårs kamp, får se at Stortinget gjør vedtak – fordi regjeringen og dagens flertall har gjort nødvendige reformer i veisektoren, bevilget nødvendige økte midler og sørget for at beslutninger blir tatt. Det er en gledens dag. Jeg får gratulere alle, ikke bare i

Nå får Stortinget en bompengeproposisjon hvor kostnadene har økt med om lag 30 pst. sammenlignet med Nasjonal transportplan. Det er alvorlig, og jeg kan heller ikke se at det er redegjort nevneverdig i proposisjonen for hvorfor kostnadene har økt med 30 pst. i løpet av fire år for denne strekningen. Mener statsråden at dette er uvesentlig informasjon for

litt fritt sitert, men essensen er riktig. Vi har nettopp grepet fatt i dette. Vi har sørget for å omorganisere ting, vi har sørget for Nye Veier AS som selv har identifisert at mye av kostnadsveksten skyldes vedtak som gjøres tidlig, og at en ikke har statlig plan, men en lar kommunene få regulere, og at nesten alle som vil ha et kryss, får et kryss, og hvert kryss koster 100 mill. kr, og på den måten har kostnadsveksten tiltatt. Det er nettopp det man griper fatt i: å sørge for å få en standard som er så god som den skal være, men der en likevel klarer å knipe på pengene. Den jobben skal vi jobbe videre med, nettopp for å få ned kostnadsveksten, og forhåpentligvis også kostnadene. Siden statsråden mener dette ikke er uvesentlig informasjon for Stortinget, ber jeg statsråden om å redegjøre konkret her for hva denne kostnadsøkningen i prosjektet skyldes. Jeg inviterer Stortinget i nærmest alle saker Stortinget behandler, til å stille spørsmål i saksbehandlingen. Det

Vi bygger en standard som skal tåle en fartsgrense på 110 km/t istedenfor 100 km/t. Jeg registrerte at da vi økte fartsgrensen i vår til 110 km/t, latterliggjorde Arbeiderpartiet det. Jeg mener det likevel er fornuftig. Vi kommer til å fortsette å bygge veier som tåler moderne kjøretøyer, og som er framtidsrettet. Det som virkelig er dyrt, er det vi opplever når vi reiser til Østfold og får kritikk fra arbeiderpartiordførere lokalt for at den veien som Arbeiderpartiet i regjering har vedtatt

Mener statsråden at dette er i tråd med intensjonene om en mer sammenhengende utbygging? Mange av spørsmålene og utfordringene Arbeiderpartiet har servert regjeringen når Arbeiderpartiet sitter i opposisjon, bærer preg av å være som den brasilianske fotballtreneren etter at de tapte 7–1 for Tyskland i semifinalen i VM. Selv om de tapte 7–1, ertet de Tyskland for ikke å vinne med 8–1 eller 9–1. Jeg konstaterer altså at Arbeiderpartiet hadde ikke forslag selv om en lengre parsell. De hadde ikke et annet alternativ. Sjefen for denne strekningen sier i bygg.no at de også er i gang med delstrekningen E18 Langangen–Dørdal gjennom Porsgrunn og Bamble, den er delt i to parseller, «men vi ønsker uansett å se disse i sammenheng og søker å få til en gjennomføring hvor vi etterhvert kan «rulle ut» hele strekningen som del i en helhetlig utbygging.

i fjor i Stortinget fram en stortingsproposisjon der vi foreslo å endre bompengesystemet for å redusere takstene. Der fikk vi dessverre klare signal fra flertallet om at det ville de ikke bruke penger på. Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet var sågar veldig tydelige på at hvis det ble brukt mer penger på å prøve å kutte bompenger, så ville de stemme imot det og heller bruke pengene på å bygge mer vei andre steder.

Og då er mitt spørsmål til statsråden: Er det denne regjeringa eller førre regjering som bestemmer kor høg statleg del det skal vera i dei sakene som vert lagde fram for Stortinget? Jeg tror at alle vet at en regjering styrer på basis av de signalene som et flertall i Stortinget til enhver tid gir.

selskapet Nye Veier vart presentert på NRK Debatten, vart det vist til at ein skulle få 5 mrd. kr første året. Fasiten vart at det vart 1,3 mrd. kr. Er det sånn at det her er tenkt at når det gjeld E18 Rugtvedt–Dørdal, skal ein først ta opp bompengelån, og at dei statlege bidraga frå Nye Veier skal koma mot slutten av noko som vil bidra til at rentekostnadene i prosjektet aukar, eller vil dei statlege pengane koma først i prosjektet? Det er det faktisk opp til selskapet Nye Veier å disponere. Det er de som har bevilgningene, det er de som har den fulle råderetten over hvordan de finansierer dette innenfor de rammene som Stortinget vedtar. Men jeg konstaterer at representanten Pollestad igjen begynner å o.l., ting som en selv ikke gjorde noe særlig med da en satt i regjering, der representanten Pollestad var statssekretær, men som en plutselig er blitt veldig opptatt av når en ikke lenger har ansvar eller innflytelse. Forrige gang representanten Pollestad hadde veldig mange synspunkter på dette, var da vi satte ned takstene på E18 gjennom Vestfold, der representanten Pollestads regjering hadde akseptert bomtakster opp mot 100 kr totalt, men der dagens regjering har satt bomtakster på maks 57 kr totalt.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

vil være bare å bevilge penger rett fra Stortinget. Skal man ha mer penger til å bygge vei for, er den mest hensiktsmessige måten å bevilge pengene direkte til veiprosjektene uten å finne opp en eller ordning. Å bevilge penger direkte til veien kan altså både regjeringen og Stortinget gjøre. Statsråden har full frihet til å foreslå en bompengeproposisjon med en høyere statlig andel hvis han ønsker det. Det trenger han ikke Stortingets vedtak for å gjøre. For statsbudsjettet 2016 foreslo Arbeiderpartiet å bevilge 500 mill. kr mer til vei enn det regjeringen gjør – til riksvei. Da er ikke pengene til Nye Veier en del av det. Vi foreslo også å bevilge 600 mill. kr mer til fylkeskommunene for at de skulle få mer penger til å drifte og vedlikeholde fylkesveiene. Det er sånn at riksveiene får 1 000 kr per meter til drift og vedlikehold, mens fylkesveiene får 133 kr per meter. Det er i ferd med å utvikle seg et A-lag og et B-lag, riksveiene og fylkesveiene, fordi regjeringen svikter fylkesveiene på det groveste. Arbeiderpartiet vil altså bevilge mer penger til riksveier og til fylkesveier enn regjeringen gjør. gjør. Jeg er fortsatt glad for at denne strekningen i Telemark nå blir bygd. Men det er behov for å oppklare noen fakta. Foregående taler

ønsker en utsettelse av utbygging av E18 Rugtvedt–Dørdal. Derfor er lokalbefolkning, politikere og alle andre lokalt kjempeglade for at man i dag fatter beslutning om å bygge ut strekningen Rugtvedt–Dørdal, og at man faktisk for første gang klart og tydelig har sagt at strekningen Langangen–Rugtvedt også skal bygges ut. Det ligger nemlig ingenting konkret i den NTP-en som den rød-grønne regjeringen vedtok for drøyt tre år siden. Når man prøver å prate om penger, om hvor mye man har bevilget, og hvorfor det er kostnadsvekst, tror jeg denne strekningen er et godt eksempel på hvordan ting kan skje. Da man vedtok å legge dette inn i NTP, la man inn 3,6 for hele strekningen fra Langangen til Dørdal. Nå utgjør altså kostnaden for bare denne strekningen sannsynligvis under halvparten av kostnaden, for man må også bygge en bro mellom Langangen og Rugtvedt. Den gangen var kostnaden 3,6 mrd. kr. Her er et prosjekt på nesten 4,5 mrd. kr. Jeg skulle gjerne sett at dette prosjektet var blitt bygd uten bompenger.

får man en mer trafikksikker vei enn med den rød-grønne regjeringen, for de ville ha 100 km/t, og de ville ha smalere veiskulder. Jeg er glad for at denne regjeringen ikke satser på fortidens veiprosjekt, men faktisk satser på framtidens veiprosjekt ved å bygge skikkelig standard når man først gjør det. Jeg har sittet i kommunestyret i 24 år, det er 22 år siden første gang jeg var med på å behandle denne saken. saken. I dag, etter 22 år, sørger vi for å sette et endepunkt og sørge for at utbyggingen blir vedtatt. Det er vanvittig bra, og jeg er kjempeglad for at vi er der nå. Det har vært en ulykkesutsatt strekning, man har stått masse i kø – nå kommer løsningen, nå får man på plass en løsning. Dette er en gledens dag for alle som bruker denne veien. Derfor er jeg glad for at vi nå får dette vedtaket om en skikkelig moderne, framtidsrettet vei.
Neste taler er

når Arbeiderpartiet sier at nå utvikler det seg et A-lag og et B-lag på veisiden. A-laget er riksveiene, som altså får redusert forfallet sitt for første gang på mange tiår, mens B-laget er fylkesveiene, der en ikke klarer å redusere forfallet, ifølge Arbeiderpartiet. Vel, med litt historisk innsikt vil en allikevel kunne si at nå har vi i hvert fall et A-lag på noen av veistrekningene. Da representanten Tungs parti satt i regjering, var det åpenbart bare for da økte forfallet på både riksveier og fylkesveier. Det er altså ikke sånn at det ble tatt penger fra fylkesveier og gitt til riksveier, men forfallet økte på alle sektorer, også på jernbane, da representanten Tungs parti styrte. Da er det litt interessant å se at så fort man får et borgerlig flertall i Stortinget, så fort man får et borgerlig flertall i Stortinget, klarer man å gjøre riksveiene til et A-lag. Kanskje vi burde hatt borgerlig flertall i litt flere fylkeskommuner, slik at fylkesveiene også ble gjort til et A-lag. For det er nå engang sånn at bevilgningene til fylkesveier over statsbudsjettet er høyere enn det som Arbeiderpartiet la opp til i Nasjonal transportplan. Dermed er det heller ikke sånn at det bevilges mindre penger enn Arbeiderpartiet hadde planlagt, det bevilges mer. Jeg er glad for at det nå er en erkjennelse av at det i hvert fall nå fins ett A-lag, på riksveisiden. Så er det også veldig kjekt at Arbeiderpartiet i opposisjon har sett behovet for å oppjustere bevilgningene til vei. Men jeg konstaterer at mens en i samferdselskomiteen gir inntrykk av at en plutselig har mye mer penger til dette, sitter en i finanskomiteen og klager over at regjeringen bruker 60 mrd. kr for mye økonomi. Da lurer jeg på hvor de 60 milliardene skal kuttes. Hele samferdselsbudsjettet i 2016 er på 60 mrd. kr. Det er riktignok 20 mrd. kr mer enn det siste budsjettet som representanten Tungs regjering fikk vedtatt – 20 mrd. kr i økning – men det er altså 60 mrd. kr som brukes for mye hvis Arbeiderpartiet hadde fått styre. Og da er det jo interessant å se hvor mye av de monopolpengene som forsvinner,

Ergo må det reelt sett ute i fylkeskommunene kuttes. Det blir ikke brukt mer penger til drift og vedlikehold av fylkesveiene fordi regjeringen bevilger penger. Det blir brukt mer til drift og vedlikehold av fylkesveiene fordi de rød-grønne politikerne der ute tar ansvaret. Noen prøver å framstille det som om man mener at det ikke er

selskap som er utenfor politisk demokratisk styring, for det er det som er fakta. Så står man her og skryter av at man ser resultater av Nye Veier. Det er ingenting som tilsier at disse prosjektene ikke kunne ha vært løst om man ikke hadde hatt Nye Veier. Så det er også en påstand. Så prøvde Hoksrud seg med en populistisk sak om at vi tross alt klarer å lage et prosjekt der vi har bare helt riktig som Pollestad sa: Opprinnelig var det 38,6 pst. Det var ikke slik at da vi la fram vår transportplan, lå alle prosjektene der med 50 pst. bompengefinansiering – tvert imot. Det kunne være 80 pst., det kunne være 10–15 pst. Så det er også en direkte gal påstand som framsettes i denne debatten. Så er det nå engang slik, om man liker det eller ikke, at det tross alt er ca. 600 mill. kr mer i bompenger på denne delstrekningen enn det som mer i bompenger på denne delstrekningen enn det som var tenkt i hele dette prosjektet. Det kommer man heller ikke unna. Så tror jeg representanten Jensen da vi diskuterte denne saken, bør sette seg inn i hvor Arbeiderpartiet sto når det gjaldt beregningsteknisk rente. Jeg tror hun blander sakene litt med hensyn til det som går på det, og det som går på rentekompensasjon, som Karianne Tung så klart forklarte at vi var imot, og hvorfor. Når det gjelder beregningsteknisk rente, er ikke det noe hokuspokus. I prosjektene som ble løst før, og som løses i dag, er summen den samme. Det er bare måten vi krever det inn på, som er forskjellig. For så og så mange kroner skal inn til et veiprosjekt, og om det blir tatt inn over få år eller mange år, blir summen den samme i forhold til satsen. Det som skjedde før, er at dersom det ble mer trafikk, ble prosjektene avsluttet tidligere. Det var ikke sånn at bilistene måtte betale mer. Men vi har sagt hele veien at tar vi ned renta og frigjør midler, må det gå an å se på om det er lurt å bruke disse frigjorte midlene på mer vei. Dette er en gledens dag for dem som bruker veien, og

Det ser jeg virkelig fram til. Fremskrittspartiet har vunnet fram. Vi har stått alene i kampen mot bompenger i mange, mange år. Nå virker det som om det begynner å nærme seg et flertall som ikke vil ha bompenger. Karianne Tung fra Arbeiderpartiet sier at hun er glad for at de rød-grønne styrer i fylker og kommuner. Jeg er fra fylket Vestfold, og vi kan ta en liten oppfriskning: Under den rød-grønne regjeringen skulle det koste 116 kr å kjøre det var helt ok. Det kom så et borgerlig fylkesting som forhandlet med nebb og klør mot den rød-grønne regjeringen, og fikk satsen ned til 87 kr – under harde kamper. Med ny blå regjering, borgerlig regjering, koster det 57 kr. Hadde vi hatt rød-grønt styre der, hadde det kostet 116 kr – for det syntes man var helt greit.

tatt. Bare for å tydeliggjøre hvordan man har holdt på: Når vi diskuterer denne saken, er det greit å ha med seg at det er en gledens dag, og jeg har, som sagt, vært med i 22 år og jobbet for å få på plass denne saken, og derfor er det kjempegledelig å få være med og vedta dette i dag. Men for 20 år siden, omtrent på denne tiden, bygde man Grenlandsbrua med ett kjørefelt i hver retning, og det skulle være en framtidsrettet utbygging. Nå må man altså i gang med å gjøre det prosjektet på nytt igjen fordi det ikke var veldig framtidsrettet. Det tok åtte–ti år, og så var trafikken så stor at veien skulle vært bygd som en firefelts vei. Derfor er jeg glad for at de rød-grønne ikke sitter og er med og fatter beslutning om dette vedtaket i dag, for da hadde man bygd en vei som kun kunne ha 100 km/t fartsgrense og med halvannen meter veiskulder. Nå har man en regjering som både er opptatt av å være framtidsrettet, og som bygger en vei med 3 meter veiskulder, med unntak av på bruene og i tunnelene, for det blir veldig mye dyrere, og mange har vært opptatt av kostnader her, men det betyr at vi kan ha 110 km/t fartsgrense og firefelts motorveistandard. Det er framtidsrettet, det gjør denne regjeringen, og jeg vet at jeg kan stå her å si at den forrige regjeringen ikke ville ha 110 km/t fartsgrense, fordi jeg selv stilte spørsmål til tidligere statsminister Marit Arnstad som ikke ønsket å ha en vei som var framtidsrettet, med 110 km fartsgrense. Jeg registrerer at representanten Tung ikke ønsker å svare på det jeg utfordret henne på, om hun hadde tatt kontakt med sine egne lokalpolitikere, når hun ble utfordret på at statsråden burde sagt at vi skal bygge ut hele strekningen fra Langangen til Dørdal, da ville det betydd en utsettelse på Rugtvedt–Dørdal. Jeg er glad for at man ikke får en utsettelse, og når det gjelder framtidige prosjekter, vet jeg at vi har en regjering som ser på muligheten for å bygge ut mer helhetlig og mer langsiktig i større prosjekter for å redusere kostnadene. Fremskrittspartiet minner oss hele tida på at de er

kan de ikke fortsette med å gjøre det? Representanten Bård Hoksrud og jeg satt sammen i transportkomiteen i fire år, og jeg tror at han i hver eneste bompengesak vi hadde i de fire åra, sto på denne talerstolen og sa: Dere flår og raner bilistene. Så mitt spørsmål blir nå:

Det handlar ikkje om kva den førre regjeringa måtte meina om bompengar. Det handlar om éin ting: Det handlar om at det er eit forslag frå Senterpartiet her som ønskjer å auka det statlege bidraget med to prosentpoeng og redusera bompengedelen med to prosentpoeng i dette prosjektet.

og ein er mest oppteken av flosklar og historier om f.eks. E18 gjennom Vestfold og nokre bompengesatsar på 116 kr, som aldri var i nærleiken av å verta ein realitet. Det er bra at ein har fått ned bompengane på det prosjektet, men det går ikkje an å berre forlenga bompenginnkrevjinga meir og meir for å få ned satsen. Det satsen. Det enklaste grepet er å auka det statlege bidraget. Det er det Senterpartiet har føreslått i denne saka, og det er det me inviterer Framstegspartiet til å vedta. De har sete i regjering i tre år. No er det på tide å ta ansvar for den politikken som regjeringa fører.

og representanten Juvik fremdeles er kritisk og skeptisk – for å si det forsiktig – til selskapet Nye Veier. Jeg synes det er bemerkelsesverdig at en ikke har nye ideer og nye tanker om hvordan en kan organisere veisektoren når vi ser at planleggingstida er lang, vi er plaget med stykkevis og delt utbygging, kostnadsveksten har vært høy, og det har vært lang utbyggingstid. Da er det kanskje på tide at vi finner nye måter å tenke på og nye måter å organisere dette på. Jeg har stor tro på at Nye Veier AS kan være et sånt redskap som faktisk vil gi oss raskere både planlegging og utbygging av viktige veiprosjekt. Nå starter vi med tre bompengeproposisjoner før sommeren, over 80 km med firefeltsvei, trafikksikker vei og lenge etterlengtet vei. Dette prosjektet er ett av dem. I tillegg har prosjektdirektøren for dette prosjektet i Nye Veier sagt at den resterende delen av strekningen Langangen-Dørdal er prosjektdirektøren for dette prosjektet i Nye Veier sagt at den resterende delen av strekningen Langangen-Dørdal er under regulering og planlegging, og vil bli en naturlig fortsettelse av det. Her er det snakk om å tilrettelegge for helhetlig utbygging. Vi begynner nå. Vi venter ikke på at alt skal være klappet og klart på hele strekningen, men vi tar det i to trinn. Det synes jeg er en fornuftig tilnærming. Litt til den beregningstekniske renten. Det er en teoretisk rente, som det ligger i ordet. Den var 8 pst. helt fram til 2012, så jeg må korrigere meg selv litt. Den forrige regjeringa reduserte den i 2012 til 6,5 pst. Nå har vi redusert den ytterligere til 5,5 pst. Den teoretiske renta gjør ikke noe annet enn å legge grunnlaget for å lage et forslag til et finansieringsopplegg finansieringsopplegg for det prosjektet som skal legges fram. Det som virkelig betyr noe, er den faktiske renten – den renten prosjektet oppnår i markedet. Er den lavere, har vi grunnlag for enten å betale ned prosjektet raskere eller redusere satsene, eller om det skulle det være mulighet for det – eller ønskelig som vi så på strekningen Arendal–Tvedestrand – se på mulighetene for faktisk å legge til ytterligere på prosjektet.

og det er en flott start at en starter med den strekningen som ligger inne. Sånn sett er det ingen uenighet i salen, og det er veldig godt å konstatere. Jeg hører i debatten at noen blir litt forundret over at en tillater seg å diskutere litt om bompenger i den situasjonen. Det er jo ikke så veldig underlig. Med utgangspunkt i Fremskrittspartiets lovnader i forkant av valget så veldig underlig. Med utgangspunkt i Fremskrittspartiets lovnader i forkant av valget er det underlig at en får en samstemt enighet i Stortinget om utbyggingen av en viktig veistrekning, hvor en gjør det gjennom en – skal vi si – proposisjon som legger til rette for bompengeinnkreving. Det har ikke jeg hatt noe imot tidligere og har ikke noe imot det nå. Jeg synes det er veldig bra. Men jeg tror det er viktig ikke framstår som forundret over at noen velger å ta det opp i en slik sak som dette, for Fremskrittspartiet har jo ett mantra for alt som er vondt og vanskelig, og det er «perioden 2005–2013». Og høsten 2013, før valget, visste Fremskrittspartiet utmerket godt hva de gikk til valg på, og da gikk de til valg på at de garanterte for et bompengefritt Norge. Jeg tror det er på sin plass å minne dem om det valgløftet hver eneste gang det blir lagt fram en slik proposisjon. Selv om Fremskrittspartiet prøver å dekke seg bak at de ikke har flertall i regjeringen, var det likevel en garanti og et løfte som ikke hadde noen forbehold ved seg, og som var fullt og helt en erkjennelse av en lovnad som de ikke har fulgt opp. Representanten Bård Hoksrud

virkelig å holde trykket oppe på denne strekningen: aksjonsgruppen for E18. De har også gjort en fantastisk jobb for at dette prosjektet endelig kommer på plass, og de har ønsket å få denne veien på plass. Og så er det i hvert fall greit å vite at utgangspunktet for denne regjeringen er at den gamle veien kommer til å være bompengefri, og det var også en av de utfordringene som det var diskusjon om da proposisjonen kom og underveis. Men nå har regjeringen bestemt at at tanken ikke er å kreve inn bompenger her, med mindre det skulle være et helt spesielt behov for det. Jeg har lyst å takke alle dem som virkelig har stått på og sørget for at denne veien nå er på plass. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 6. Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver partigruppe og 5 minutter til medlem av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

og utbyggingen skal gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 9,5 mrd. 2016-kroner. Innenfor rammen ligger et risikopåslag på 11 pst. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Nye Veier AS ble opprettet i fjor som et nytt statlig infrastrukturselskap, og mandatet er å se på hvordan vi i framtiden kan bygge infrastruktur på en rimelig og effektiv måte. Kolomoen–Moelv er en av fem tildelte strekninger i deres portefølje. Kolomoen–Moelv er ferdig regulert i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Utbyggingen av E6 kan raskt igangsettes av Nye Veier AS, og strekningen planlegges åpnet for trafikk i 2021. Dette er en viktig hovedferdselsåre nordover mot Trondheim som knytter Sør-Østlandet til Midt- og Nord-Norge. Dette er en trafikkert veistrekning hvor mye gods- og nærtrafikk vil ha stor glede av at kapasiteten og effektiviteten øker. Utbyggingen vil øke kapasiteten, men også sikre samfunnssikkerheten – dette fordi denne veistrekningen i dag Siden 2005 er 17 personer drept i trafikken mellom Kolomoen og Moelv. Det vil bli meget bra med firefelts vei kontra dagens to felt med midtdeler. Slik det er i dag, gir tofeltsveien tidvis utfordringer for utrykningskjøretøy og blålysetater. I proposisjonen er det lagt til grunn firefelts standard på hele strekningen, med 110 km/t, unntatt kryssene mellom Kåterud og Vien. Komiteen er enig om at en enhetlig fartsgrense på hele strekningen er et bedre alternativ enn 110 km/t, 100 km/t og 110 km/t. Nye Veier AS har bekreftet at alle fravik som er søkt om, er godkjent for fartsgrense på 110 km/t mellom Hamar og Ringsaker, og det ligger til rette for fartsgrense på 110 km/t på hele strekningen fra Kolomoen til Moelv. Komiteen slutter seg til proposisjonens bompengeopplegg, men flertallet presiserer tydelig at regjeringen bes snarest, og senest i statsbudsjettet for 2017, vurdere andre alternative innretninger for å oppnå lavere finansierings- og innkrevingskostnader i tråd med intensjonen i bompengereformen. Redusering av beregningsteknisk rente og vurdering av statlig lån til etablerte og nye bompengeprosjekter inngår i vurderingen. I de lokalpolitiske vedtakenes punkt 5 kommer det klart fram at ved et eventuelt økt økonomisk handlingsrom ønskes dette benyttet til lavere takster. Komiteen deler den lokalpolitiske innstillingen og mener at et eventuelt økt handlingsrom på prosjektet skal komme bilistene til gode – det være seg gjennom lavere takster eller redusert nedbetalingstid. Videre er komiteen i behandlingen tydelig på at departementets hovedregel om at det ikke skal etableres bom på sideveier, ligger til grunn. Jeg er derfor glad for at vi gjennom dette sender et tydelig signal om at man heller i etterkant bør vurdere tiltak dersom trafikklekkasjen blir for stor.

Tolv av disse ulykkene, dvs. 70 pst., var møteulykker. Stortinget kan dessverre ikke gjøre så mye med det som har skjedd, men vi kan forhåpentligvis gjøre mye for dem som skal kjøre på denne strekningen i framtiden. Strekningen består i tillegg til mye persontrafikk også av mye nærings- og godstrafikk. Alle disse vil ha stor glede av at kapasiteten og effektiviteten på strekningen nå økes og bedres. Veien skal bygges ut for 8,5 mrd. kr, hvorav bompengeandelen utgjør 52 pst. Det er en enstemmig komité som i dag ønsker å sette spaden i jorda for å bygge veien raskest mulig. Og til alle dem som har stått på for denne veien, er det på tide å si: Gratulerer med dagen! Arbeiderpartiet mener selvfølgelig at det er fornuftig å se på den beregningstekniske renten på bompengelånet, både i dette prosjektet og i andre prosjekter. Det vil åpne for lavere takster, kortere nedbetalingstid eller en utvidelse av prosjektet, noe som gir mer vei for pengene. Et enstemmig storting kommer derfor i dag til å gi dette signalet om en lavere beregningsteknisk rente til samferdselsministeren og Ved et økt økonomisk handlingsrom vil Arbeiderpartiet i dette tilfellet spesielt rette oppmerksomheten mot to forhold. For det første: Lokale myndigheter har et spesielt ønske om å se på nivået på bomtakstene hvis så skulle skje. For det andre: En lavere beregningsteknisk rente gir også en mulighet til å fjerne bommen på sideveiene, fv. 84 ved Snarud og Bergshøgda, noe Arbeiderpartiet på Stortinget for så vidt

Arbeiderpartiet vil derfor i denne sammenheng også benytte anledningen til å peke på behovene på E6 sør for Trondheim. Ergo vil ikke dette være siste gang vi har saker om E6 til behandling i Stortinget, heldigvis. Men i dag dreier det seg om strekningen fra Kolomoen til Moelv, og meldingen fra Stortinget er klar: Sett i gang og bygg vei.

utgjør en samlet utbygging på over 81,5 km med motorvei, til en samlet kostnad på 18,6 mrd. kr. Utbyggingsselskapet Nye Veier AS er med dette godt i gang med å levere på oppstartsporteføljen, og vi har store forhåpninger og forventninger til rask og effektiv gjennomføring av prosjektene. Jeg registrerer, ikke minst fra debatten i forrige sak, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet fremdeles er svært kritiske til Nye Veier – og var imot opprettelsen av det.

Prosjektet var ikke fullfinansiert i inneværende NTP-periode. Nå skal det stå ferdig i 2021, altså før det var planlagt igangsatt under det rød-grønne styret. Dette viser at det nytter å tenke nytt. Prosjektet, slik det er beskrevet i proposisjonen, er omfattende. Det omfatter 42,7 km med sammenhengende utbygging av firefelts vei med midtdeler og fartsgrense på 110 Det vil bety redusert reisetid, bedre framkommelighet og økt trafikksikkerhet – til glede for alle som ferdes på veien. Jeg skal ikke gå inn på alle detaljer i prosjektet, men vil kommentere noen viktige saker. I proposisjonen er det lagt til grunn bom på sidevei, altså fv. 84. Det er for å unngå trafikklekkasje og tap av inntekter. Vi mener som hovedregel at man bør søke å unngå bom på sideveier, men ser at det kan være nødvendig enkelte steder. Som et alternativ til å sette opp bom på fv. 84 umiddelbart ber vi derfor departementet vurdere om det kan være aktuelt å avvente innkreving av bompenger på sidevei, og heller følge situasjonen nøye og vurdere behovet når vi ser omfanget av trafikklekkasjen. En slik vurdering må selvfølgelig gjøres i nær dialog med fylkeskommunen, som vil stå som garantist for bompengelånet. Med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Hedmark fylkeskommune kan det se ut som det er grunnlag for en slik ordning. Vi kan likevel ikke støtte Senterpartiets forslag i denne saken. Siden fagmyndigheten anbefaler bom på sidevei, må en eventuell annen løsning bli til i en dialog mellom departementet og fylkeskommunen. Jeg har problemer med å forstå at Senterpartiet ønsker en annen praksis, all den tid det faktisk er fylkeskommunen som skal garantere for bompengelånet, og som tar den økonomiske risikoen. Vi har reist spørsmål ved antall avkjøringer og kryss som er planlagt på strekningen. Bare forbi Hamar er det planlagt fem avkjøringer. Vi mener derfor at Samferdselsdepartementet, i samarbeid med Nye Veier AS og lokale myndigheter, bør gjøre en vurdering av om det er aktuelt å redusere antall avkjøringer og kryss. Det vil være et viktig tiltak for å redusere kostnadene i prosjektet, samtidig som det gir en mer effektiv trafikkavvikling. Samtidig er det viktig at en slik vurdering ikke svekker framdriften i prosjektet. Om det skulle vise seg at en eventuell reduksjon av antall avkjøringer påvirker framdriften i negativ forstand, bør prosjektet kjøres som planlagt. Også i denne proposisjonen får vi en diskusjon om den beregningstekniske renten. Når det er sagt, er vi glad for at denne diskusjonen kommer opp, og at det er et stortingsflertall som ønsker å bidra til lavere takster og kortere nedbetalingstid. Det er helt vanlig i alle bompengeproposisjoner at Samferdselsdepartementet får fullmakt til å gjøre nærmere avtaler om finansieringsordningen. Skulle det vise seg at det er grunnlag for å bruke en lavere rente enn den som er lagt til grunn i proposisjonen, gir det en mulighet til å se nærmere på bompengetakstene. Jeg registrerer at dette også er i samsvar med de lokale ønskene. Vi legger med denne proposisjonen et godt grunnlag for en rask og effektiv gjennomføring av prosjektet E6 Kolomoen–Moelv. Prosjektet er utvidet i forhold til det som ligger inne i Nasjonal transportplan, og med denne organiseringen sikrer vi en tidligere oppstart og en raskere åpning av en ny og sikker firefelts vei. Den foreslåtte utbygde strekningen Kolomoen–Moelv på E6 er en svært viktig ferdselsåre for både næring og

Det er derfor gledelig at denne strekningen på 42,7 km nå kan bygges ut som en sammenhengende firefelts vei, og, som det allerede er pekt på, med ferdigstillelse i 2021 åpnes strekningen før den faktisk var planlagt startet opp i NTP. Vi får dermed en betydelig framskyndelse av et viktig prosjekt. Også i dette prosjektet, så vel som for strekningen Tvedestrand–Arendal på E18, er det grunn til å forvente en markedsrente på lavere nivå enn den beregningstekniske på 5,5 pst. – ja, med de offentlige garantier denne typen prosjekt har, tyder alt på at rentenivået kan bli betydelig lavere. Viser det seg å være grunnlag for en lavere rente uten at en fraviker kravet til en robust finansieringsplan, kan det skapes gode muligheter for å innfri ønskene fra fylkeskommunene og berørte kommuner om lavere takster, eventuelt kortere nedbetalingstid. Dette forutsetter vi at departementet og fylkeskommunene klarer å bli enige om. Så er det grunn til å reflektere også i dette prosjektet over kostnadsutviklingen som veiutbyggingen har vært igjennom de siste ti årene. Det er derfor nødvendig å se på hvilke muligheter en har for å kunne redusere kostnadene i alle større veiprosjekt framover. I den typen vurderinger bør det inngå bl.a. antall kryss så vel som andre tiltak som kan gjøre veiutbyggingen mer kostnadseffektiv. Det er grunn til å minne om at mens kostnadene har økt kraftig i Norge, har vårt naboland Sverige i dag en klart lavere kostnad for sammenlignbar stamveiutbygging, selv om det er enklere å bygge vei i Sverige. Det er det da også tatt hensyn til i den vurderingen. Derfor er det viktig etter Kristelig Folkepartis oppfatning at Nye Veier klarer å få til en stamveiutbygging som kan bidra til at den galopperende kostnadsutviklingen vi har hatt over tid, kan dempes. Her må en se på flere tiltak som kan bidra til en lavere kostnadsvekst. Derfor er det etter mitt syn viktig at Nye Veier også får de redskaper til disposisjon som gir selskapet muligheten til å bygge vei på mest mulig kostnadseffektive måter framover, f.eks. muligheten til å kunne justere godkjente planer i samarbeid med berørte fylkeskommuner, kommuner og departement, for å kunne gjennomføre stamveiutbyggingen på en mest mulig rasjonell måte. Det bør være en del av de muligheter og redskaper vi gir selskapet. Plassering av bomstasjoner på sideveier skal ha en særskilt begrunnelse for å kunne skape forståelse og legitimitet, og det er vel ingen som er uenig i at hovedregelen er at det bør, så langt det er mulig, unngås. Når en likevel her åpner for å kunne gjøre det så langt det er mulig, unngås. Når en likevel her åpner for å kunne gjøre det på fv. 84, handler det om den avvisningseffekt som bomstasjoner på E6 vil kunne skape med dertil hørende økt trafikk og trafikkutfordringer på fylkesveien. Velger man å plassere bomstasjoner på sideveier, som kan bli resultatet her, er det viktig at det også brukes penger på tiltak nettopp på bommen blir plassert på. Kristelig Folkeparti mener det kan være fornuftig, som vi skriver i våre merknader, å vurdere om tiltakene på sideveiene i denne saken kan vurderes i etterkant av åpningen av den nye strekningen. Derfor støtter også Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, som er fremmet av Hege Jensen på vegne av Høyre

traseen som skulle gå mellom de to påbygde, men man kom fram til et felles prosjekt – man skulle bygge ut Dovrebanen parallelt med at man skulle bygge ut firefelts E6. Det ble et enormt prosjekt, når en ser de to parallelt. Det har ført til at vi i 2015 har fått åpnet dobbeltsporet jernbane, 17 km, og at man fikk bygd ut og at man fikk bygd ut E6. Det at man så det sammen, gjorde at man sparte store kostnader, fordi man fikk flyttet masse fra E6 ned til jernbanen. Det som var forunderlig da den debatten gikk i desember 2011, var at Høyre ønsket å utsette hele saken og ønsket at alle innsigelser skulle gås igjennom på nytt. Så tapte en den voteringen, og så prøvde de på nytt, samme dag, å få utsatt saken. Hadde Høyre fått gjennomslag for det, hadde ikke den jernbanestrekningen blitt bygd, og den hadde ikke blitt ferdigstilt nå. Så jeg synes det er bra at Høyre nå er blitt opptatt av framdrift. Fremskrittspartiet ønsket da å ta ut dobbeltsporet, og at en bare skulle satse på å bygge ut E6. Det ville også vært veldig uklokt, men det at man gjorde det sammen, har gjort at vi har fått et mye billigere og mye bedre prosjekt. For de prosjektene vi hadde fra Gardermoen til Minnesund, er det ikke bom på noen sidevei. Fra Minnesund til Kolomoen er det heller ikke bom på noen sidevei. så for første gang i denne utbyggingen nordover blir det bom på sidevei. Det er når Fremskrittspartiet sitter i regjering og Tor André Johnsen sitter i komiteen, at vi begynner å få bompenger på sidevei. Det er veldig rart, når en ser hva Fremskrittspartiet lovte i valgkampen, og hva man også lovte i Ringsaker, ved at bompenger ble kalt landeveisrøveri av representanten Johnsen i valgkampen i Hedmark. Men nå blir det bompenger på sidevei. Selv da de rød-grønne styrte, var det ingen bompenger på sidevei. Så det er noe nytt som er funnet opp av Høyre og Fremskrittspartiet. Derfor la vi inn i forslaget i innstillingen at vi ikke ønsket den måten å dra inn penger på. Spesielt ser en i proposisjonen at på bompengepunktet på Bergshøgda skal man bare, ifølge proposisjonen, få en reduksjon i årsdøgntrafikk på 100 biler. Det er altså en ren innkreving av penger, men har ingen effekt når det gjelder trafikkgrunnlag. Vi mener det er uklokt. Derfor kommer vi til å støtte det alternative forslaget til Høyre og Fremskrittspartiet, selv om de ikke ville støtte vårt, der vi på en måte avviste hele problemstillingen, men vi kommer til å gå subsidiært inn for Høyre og Fremskrittspartiets forslag. Så er det en annen ting som er viktig i denne debatten, for det i valgkampen at man skulle klare å bygge dette bompengefritt. Hvis en leser proposisjonen nå, vil det koste 8,5 mrd. kr å bygge firefelts vei fra Kolomoen til Moelv. I proposisjonen står det at «brutto bompengeinntekter er følgelig forventet å utgjøre om lag 8,7 mrd. kr». Så hvis en leser proposisjonen, har en en forventning om at bompengeinntektene skal være høyere totalt når en tar med innkrevingskostnadene, enn det er å bygge veien. Hadde jeg beskyldt Fremskrittspartiet for det i valgkampen, hadde de sagt at det var lureri og skremselspropaganda, men det er det som nå er Fremskrittspartiets forslag og Fremskrittspartiets politikk. Så egentlig burde Fremskrittspartiet si unnskyld for at de har lurt alle velgerne i Hedmark, for de lovte noe helt annet. Så er vi i Senterpartiet svært glad for at en får bygd firefelts vei, vi mener det er riktig å bygge firefelts vei, og vi har vært en pådriver hele veien for å bygge infrastruktur nordover, som vi mener er en klok beslutning, men vi synes de utslagene som ligger her, med at man ønsker å belaste sideveier hardere, er helt nytt i dette prosjektet, og vi mener det er en uklok politikk. Derfor håper jeg at det blir gått en ny runde, og det blir det flertall for nå, i siste øyeblikk. Det er i hvert fall positivt. Så er det bra for vårt fylke at vi får se store og tunge samferdselsinvesteringer og samferdselsløft gjennom Hedmark, og det var det Liv Signe Navarsete som startet. Jeg tar herved opp Senterpartiets forslag. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har tatt opp det forslaget

Men vi vil gjerne levere inn og fremme et annet forslag til avstemningen senere i dag, for vi mener at vi burde legge til grunn en trefelts vei med midtdeler istedenfor en firefelts motorvei. Jeg vil si det sånn at når det gjelder strekningen fra Hamar og Jeg vil si det sånn at når det gjelder strekningen fra Hamar og nordover – jeg har en kone fra Moelv – så kjenner jeg den strekningen godt, jeg kjenner både veistrekningen og jernbanestrekningen på en ordentlig måte. Min ærlige oppfatning er at det å bygge ut firefelts vei på den måten vi gjør nå, på steder der det ikke er behov for det, er galt. Det er altså sånn at vi ender opp i den ganske traurige situasjonen at nå prioriteres full framførsel av motorvei, firefelts motorvei, nordover forbi Hamar raskere enn vi har utrullingen av dobbeltspor nordover til Lillehammer. Vi ser også fra transportetatenes innstilling at det er ikke åpenbart at vi får den framdriften på intercityutbyggingen nordover til Lillehammer, som var en helt klar forutsetning fra forrige runde. Det er flott om statsråden kan kommentere hva han tenker om det, hvis han ikke bare sier at dette må vi komme tilbake til i Nasjonal transportplan. Min oppfatning er at hvis vi hadde sørget for å bygge mer trefelts vei istedenfor firefelts vei, ville vi oppnådd to viktige ting. Den ene tingen er at vi selvfølgelig hadde spart penger.

og ikke sørger for å ta ned bompengeandelen, ender man altså opp med en mye, mye høyere samlet bompengeinnkreving. Derfor settes det også årlige rekorder for bompenger under fremskrittspartiregjeringen. Jeg synes det var artige poeng fra forrige taler da han gikk gjennom budsjettene. Jeg har egentlig ikke behov for å si noe annet enn akkurat dette. Det er sånn at Stortinget på mange måter kobles inn på en del av disse prosjektene. Vi har de nasjonale transportplanene, men veldig, veldig mange av de avgjørende valgene tas av regjeringen før de kommer til den endelige beslutningen her nå, og derfor føler jeg at den riktige måten å vise hva vi mener, er gjennom å fremme et alternativt forslag til innstillingen. Representanten Heikki Eidsvoll Holmås har tatt opp det forslaget han refererte til.
Neste taler er

arbeidsregioner styrker næringslivet. Samtidig er det ikke gitt at dette alltid ville skjedd. Forrige taler viste nettopp hvorfor ting ikke hadde den framdriften det burde hatt, for mens dagens flertall er enige om at firefelts motorveier er bra, er det åpenbart at internt i forrige regjeringskollegium var ikke det gitt – tvert imot. Det forklarer også hvorfor en brukte fire år på å krangle om hvor veien skulle gå – skulle den gå gjennom et naturreservatområde eller skulle den ikke?

Nasjonal motorveiplan fra 1962 er egentlig et kjerneeksempel på hvordan en har hatt en offensiv regjering, men som ikke gjennomførte det den skulle. Nå får vi fattet vedtakene, og det er bra. Det betyr noe for næringslivet og for innbyggerne når en får en infrastruktur som fungerer, når en har snudd mange tiår med forfall på veiene til faktisk nå at veiene er i bedre stand når året er slutt enn da året begynte. Det gjør noe for trygghetsfølelsen, det gjør noe for viljen til å investere i næringslivet. Det skal vi fortsette med. Jeg er veldig stolt også over at vi nå begynner å se de klare resultatene av å ha organisert veisektoren på en bedre måte, at vi har gjort Vegvesenet i stand til å ta raskere og klare beslutninger, at de har bedre midler til å gjøre mange gode prioriteringer, men også at vi har fått et selskap, Nye Veier, som kan bli spesialist i å bygge denne typen veistrekninger, og som gjør det ved å tenke lengre

og som stemte imot da regjeringen foreslo endringer i bompengeprinsippene, nettopp fordi vi ønsket å redusere bompengenivået, men fikk altså ikke flertall for det. Det hadde vært veldig fint hvis det var en sammenheng i budsjettbehandlingene hvert år med det en også argumenterer for når den enkelte veistrekningen blir vedtatt. Jeg registrerer at enkelte av representantene fra opposisjonen ikke forstår hva det betyr å inngå kompromiss. Når Fremskrittspartiet sitter i regjering, har vi faktisk undertegnet en avtale der alle får gjennomslag, men der en også gjerne må vedta og akseptere ting en ikke er for. Det kan bli interessant for enkelte av dagens parti som Arbeiderpartiet prøver å smiske med, hvis representanten Sønsteruds tilnærming til virkeligheten skal være gjeldende, der ingen kompromiss binder noen. Vi er stolte over det vi får til fra Fremskrittspartiets side, for denne regjeringen til både å bygge mer vei og mer jernbane enn det en har gjort tidligere, og med lavere bompengeandel totalt sett enn det som opprinnelig var planlagt. Vi kommer til å jobbe videre. Vi trenger ikke et eget vedtak i Stortinget, men jeg er glad for at Stortinget likevel bekrefter at vi har fullmakter til å prøve å redusere bompengetakstene og se på om det er mulig å gjøre noe med hvor bomstasjoner settes, ikke minst på sideveier. Men da håper jeg også at de partiene som nå argumenterer for ikke å ha bompenger på sideveier, sørger for at deres fylkespolitikere støtter opp om det, for når vi har forsøkt å flytte på bomstasjoner på sideveier på E16 inn til Kongsvinger, har Arbeiderpartiets lokale politikere stoppet det, for det er Så jeg håper det er en kommunikasjon mellom rikspolitikere og fylkespolitikere i de partiene som nå bruser med fjærene, og ikke at det nok en gang blir en greie der en i denne debatten forsøker å irritere dagens regjering med å komme med påminnelser uten at en selv ville kjempet for det. Det er mye ryddigere om en får en politisk debatt der en argumenterer i tråd med det en selv også kjemper for, istedenfor å være imot å kutte bompenger, men argumentere for at andre burde klart det. Det handler om å sikre flertall. Men i dag gleder jeg meg over at vi faktisk får vedtatt enda et prosjekt, enda mer motorvei, enda bedre regional utvikling. Det blir replikkordskifte. Stortinget behandler for tiden flere store bompengeproposisjoner – og det er

en lastebil to ganger så mye som en personbil, på E18 Rugtvedt–Dørdal betaler en lastebil tre ganger så mye som en personbil, og på strekningen Arendal–Tvedestrand er tilsvarende takst to og en halv gang taksten av en personbil – altså tre ulike belastninger for den samme lastebilen Mitt spørsmål er følgende: Hvorfor forskjellsbehandler statsråden nytte- og godstrafikken på denne måten, og hvorfor samordner ikke statsråden takstsystemet mer i de proposisjonene han legger fram, når Stortinget faktisk har vedtatt at så skal skje? Og jeg presiserer at vi snakker om nåtiden og framtiden og ikke om fortiden. Jeg forstår godt at representanten ikke har lyst til å bli påminnet historiske fakta om hva ens eget parti har gjort da de satt i regjering.

for vi vet at det å ha bompenger er å bygge en økonomisk barriere som gjør at en del av dem som burde brukt veien, velger å ikke bruke den. Det er nettopp det samme prinsippet som Arbeiderpartiet i Oslo bruker for å hindre folk i å kjøre inn til byen, når de kraftig øker bompengene her. Så jeg tror Arbeiderpartiet er klar over mekanismen. Jeg representerer en regjering og et flertall som ønsker å redusere bompengebelastningen på bilistene, og jeg håper at Arbeiderpartiet vil være med og støtte det. Jeg understreker at Arbeiderpartiet er for å jeg håper at Arbeiderpartiet vil være med og støtte det. Jeg understreker at Arbeiderpartiet er for å samordne takst- og rabattsystemene, så det er sagt. Jeg må nesten spørre på nytt: Hvorfor benytter ikke statsråden anledningen til å samordne takstsystemet i de proposisjonene han selv har ansvaret for og legger fram for Stortinget? Det redegjorde jeg nettopp for. Jeg påpekte at Vegvesenet gjør sine beregninger og kommer med sine anbefalinger. Det som derimot er interessant, er at Arbeiderpartiet stiller mange spørsmål der de gir inntrykk av at de er uenig i det som blir vedtatt, men ikke har noen alternative forslag selv. Det hadde vært interessant om Arbeiderpartiet faktisk fremmet sine synspunkter og argumenterte for dem i stedet for å vedta alt det som andre foreslår, men likevel gi inntrykk for verden at de skulle ønske ting var veldig annerledes. Ja, vi er jo ikke med på å vedta alt det andre foreslår, det har ministeren selv påpekt. men likevel gi inntrykk for verden at de skulle ønske ting var veldig annerledes. Ja, vi er jo ikke med på å vedta alt det andre foreslår, det har ministeren selv påpekt. Godstransport på vei utgjør en betydelig del av trafikken på veien, og for at bompengeinnkrevingen skal bli så effektiv som mulig, og for at vi skal få så mye vei for pengene som mulig, er obligatorisk bompengebrikke med forhåndsinnbetaling et viktig virkemiddel. Statsråden deltok selv i forrige uke på transportkonferansen på Lillestrøm, hvor han

Vi har registrert at under den forrige regjeringen kom vi ingen vei med dette. Under dagens regjering har vi sørget for at vi får et opplegg der man faktisk har krav om bombrikke på alle kommersielle kjøretøy. Så har vi mange ganger redegjort for, både i denne sal og i debatter der representanten Tung har vært til stede – og jeg håper hun har notert seg det – at vi ønsker å få gjort det så fort som mulig. Men det er faktisk noen tekniske utfordringer i systemet, som jeg også har redegjort for tidligere, som har gjort at vi faktisk ikke har fått nytt datasystem på plass i tråd med det vi hadde ønsket. Vi kan faktisk ikke trylle fram et datasystem når de som skulle programmere det for oss, ikke har klart å gjøre det selv. Men vi skal få det på plass så fort som teknisk mulig. Forstår jeg det rett at statsråden er

Vedum vet etter å ha sittet i regjering selv, at en har en del faglige begrunnelser for, når en først skal ha f.eks. bompenger, hvordan man skal gjøre det slik at en får minst mulig belastning og at det oppleves som mest mulig rettferdig. Hvis jeg får flertall i Stortinget, skal jeg mer enn gjerne fjerne bompenger både her og der. Jeg registrerer at så langt har representanten Slagsvold Vedum og andre stemt imot å bevilge penger til bompengekutt og stemt imot bompengereformen vi la fram. Men vi føler selv, og

at man skal ha et bompengepunkt på en sidevei der trafikkavvisningen bare er på 2 pst., altså minimal? Det må en se i sammenheng med at hvis en tar vekk inntekten den representerer, og ikke gjør noe annet, må en altså øke takstene på de andre veiene betydelig mer, og da kan en få andre effekter. Så det er en sammenheng her i den totale økonomien. Jeg synes det er veldig bra når Senterpartiet i enkeltdebattene gir inntrykk av at de mer enn gjerne skulle men de gjør ingenting her for å kompensere de tapte inntektene. Det var det regjeringen foreslo både i budsjettet i 2016 og i bompengereformen i juni i fjor, å øke statlige bevilgninger til veiprosjekter for å kunne fjerne bompunkt eller for å redusere takstene. Det fikk vi ikke flertall for. Det må være sammenheng mellom det en argumenterer med, og det man selv faktisk er villig til å bevilge. Jeg registrerer at den sammenhengen ikke finnes når Senterpartiet argumenterer her. Da handler det kun om populistisk å være imot bomstasjoner som de selv, da de satt i regjering og jobbet med Nasjonal transportplan, forutsatte skulle komme på plass. Statsråden står her og bløffer. Statsråden står her og sier at Arbeiderpartiet ikke har foreslått obligatoriske brikker. Det var vel den forrige regjeringen med Arbeiderpartiet som jobbet hardt for å få det til, og det står også i transportplanen. Hvis jeg ikke tar feil, stemte faktisk Fremskrittspartiet imot forhåndsbetaling av disse brikkene. Det foreslo faktisk Arbeiderpartiet da de skulle innføres. Jeg husker veldig godt fra markeringen utenfor Stortinget at regjeringen ble kritisert kraftig for at de ikke ville være med med på den ordningen. Det er gledelig nå hvis det er slik at regjeringen og statsråden har snudd i denne saken. Men er det ikke korrekt at det sto noe om dette i transportplanen, og at Arbeiderpartiet foreslo forhåndsbetaling da denne ordningen kom på plass? Før statsråd Solvik-Olsen får ordet, vil presidenten bare påpeke overfor Juvik at det å beskylde en statsråd for bløff fra Stortingets talerstol ikke egner seg. Den slags uttrykk kan han bruke utenfor denne salen. statsråd for bløff fra Stortingets talerstol ikke egner seg. Den slags uttrykk kan han bruke utenfor denne salen. Jeg tar det med knusende ro, jeg har hørt det mange ganger før fra representanten Juvik. Faktum er likevel at ja, det er riktig at Arbeiderpartiet har sagt, men poenget er at Arbeiderpartiet ikke har gjort. Norges Lastebileier-Forbund har selv påpekt at de i mange, mange år under forrige regjering etterlyste en forhåndsbetalt

innlegg. Ettersom vi har en samferdselsminister som er svært opptatt av historiefortellinger om de rød-grønne, og som bruker mesteparten av sine innlegg i denne sal på det, kan også jeg minne om utbyggingen av den veien, fra Minnesund og nordover. Den hadde ikke vært ferdig bygd hvis Fremskrittspartiet og Høyre hadde fått det slik de ville – og jeg kan også ta Kristelig Folkeparti og Venstre med på lasset. Det fellesprosjektet, som var ferdig planlagt, ville ikke Fremskrittspartiet være med på. De ville gå en ny runde med jernbanetraseen. Og etter ti års planlegging mente Høyre at alle innsigelser og påstander omkring saken skulle gås igjennom en gang til. Det gjaldt økonomi, planforutsetninger, andre formalia og miljø – og de fikk med seg Kristelig Folkeparti og Venstre på utsettelsesforslaget sitt. Nå kan vi alle være glade for at forslaget ikke fikk flertall, og vi kan vel konkludere med at dette store samferdselsprosjektet har vært svært vellykket. i Hedmark, som i dag er representert ved Hege Jensen, som også er sakens ordfører, var svært selvsikre i valgkampen, og garanterte, uten forbehold om valgresultat, fylkets velgere at det ville bli null kroner i bompenger bare de kom til makta. Hvis jeg ikke husker helt feil, var det helt uaktuelt å gå inn i en regjering hvis dette ikke ble en realitet. For dette var Fremskrittspartiets viktigste sak – viktigere enn skole, helse og barnehager, for å nevne noe. Nå skal det altså betales mer bompenger enn noen gang før i fylket. Så fikk jeg med meg i forrige debatt at representanten Jensen nærmest framstilte det som om Arbeiderpartiet var litt slemme mot Fremskrittspartiet, som i det hele tatt kunne kritisere dem for å løpe fra valgløftene. Jeg tillater meg likevel å minne om et par løfter fra Fremskrittspartiet i Hedmark i valgkampen: Det skulle bli en rask utbygging av firefelts vei fra Rena til Hamar. Det ble også lovet en kontinuerlig utbygging av E16 fra Kløfta til svenskegrensa, og den skulle stå ferdig i 2017. Ennå er det ikke bygd en meter vei i denne stortingsperioden, og nå er man til og med usikre på om sistnevnte vei kommer med i NTP. Til slutt: Statsråden framstiller det som om Arbeiderpartiet ikke kan noe om kompromisser og heller ikke er opptatt av det. Den påstanden Hvis statsråden hadde fulgt med i andre debatter og saker som foregår i dette hus, ville han nok fort ha oppdaget at Arbeiderpartiet tar kompromisser mye mer på alvor enn det Fremskrittspartiets representanter gjør. I dag er en stor dag for oss som blir glade av å se nye veier bli bygd, og

og regionene kommer nærmere hverandre. Det skapes arbeidsplasser i byggefasen, og konkurransekraften i innlandet styrkes og gjør at alle vi som bruker veien, kommer raskt fram og trygt hjem. Denne veistrekningen har, som tidligere sagt, hatt svært mange dødsulykker. 17 personer har mistet livet på denne veien de siste årene. Dette er store tragedier for de familiene som blir rammet, og det setter sitt preg på dem som ferdes på og rundt denne veien, som er så ulykkesbelastet.

og er et av de første prosjektene som veiselskapet Nye Veier AS skal bygge. Nytteberegningene i St.meld. nr. 25 for 2014–2015, På rett vei, viser at strekningene Kolomoen–Brumunddal og Brumunddal–Moelv er to av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme strekningene å bygge ut i Nye Veiers portefølje. I NTP som ble lagt fram av Arbeiderpartiet, 2013, var dette prosjektet delt i to. Første etappe, fra Kolomoen til Brumunddal, var da ikke beregnet fullfinansiert før i 2023. Nå skal den stå ferdig i 2021. De siste elleve kilometerne fram til Moelv var ikke prioritert i den samme NTP-en overhodet. Nå blir også den ferdig i 2021. Dette er et godt eksempel på at Høyre og regjeringen hadde rett i at det trengtes nye Nye Veier AS er en slik ny idé som gir bedre løsninger. Nå bygges det mer helhetlig og sammenhengende, planleggingstiden går ned, og samferdselsbudsjettet har økt dramatisk. Tro det eller ei, vi har faktisk køproblematikk i innlandet også. Ringsaker er Norges største hyttekommune, med Sjusjøen. I tillegg er vi så heldige å ha Trysil, Hafjell, Kvitfjell og andre Vedtaket i dag betyr en helhetlig og kraftig framskyndet utbygging av E6 gjennom Hedmark. Det er også et godt eksempel på at det går an å organisere veibyggingen på en mye bedre måte enn det vi gjorde før. Jeg vil gjerne gjøre en liten rettelse i det forslaget som ble framlagt av Høyre og

Det har gjennom mange år vært viktig å få på plass en ferdigregulert utbyggingsplan for E6 Kolomoen–Moelv, ikke bare for oss som bor på Hedmarken, men også for dem som kjører gods, og næringslivet for øvrig. De rød-grønne og skiftende regjeringer sviktet E6, rett og slett. De var flinke til å lage planer, men ikke flinke med gjennomføringen. Allerede på Allerede på 1960-tallet var det planer om firefelts E6 til Lillehammer. Veien skulle være ferdig i 1980. Det har vært en lang prosess. Det måtte Fremskrittspartiet i regjering og en fremskrittspartistatsråd til for å rydde opp og sørge for gjennomføringen. Nå blir det en firefelts vei. De rød-grønne bygde E6 sakte og urasjonelt. 66 km fra Gardermoen til Kolomoen tok hele sju år, ca. 10 km i året stykkevis og delt – i mange parseller. Nå bygger vi sammenhengende 42,7 km i ett prosjekt. Det er rett og slett en gledens dag og en gladsak for hele Norge og den næringen og de bilistene – alle – som eventuelt måtte bruke den veien Denne veistrekningen har de rød-grønne hatt manglende fokusering på, og den har vært en skandale for Hedmark og Ringsaker. Når Ringsaker nevnes, er det nettopp fordi planene de hadde, stoppet i Brumunddal, og det var usikkert om og når E6 eventuelt ville gjennomføres fram til Moelv. Manglende gjennomføring forbi Brumunddal ville også resultert i at all utvikling i Brumunddal ville blitt lagt på is,

oppstart av prosjektet Kolomoen–Brumunddal. Nå bygger vi fra Kolomoen til Moelv 42,7 km firefelts trafikksikker motorvei. Det som er et faktum, er at dette prosjektet ikke var fullfinansiert i inneværende tiårsperiode i NTP. Det vi gjør nå, er å starte det opp, og det vil være ferdig før det i utgangspunktet var tenkt påbegynt, basert på den rød-grønne NTP-en. Så jeg kan ikke se annet enn at dette må være en god historie å fortelle innbyggerne i Hedmark. Nå bygger vi firefelts vei lengre, raskere og mer sammenhengende enn det som var lagt til grunn i Nasjonal transportplan. I motsetning til representanten Eidsvoll Holmås, som ikke vil ha firefelts vei, er jeg glad for at vi gjennom tre proposisjoner vedtatt før sommeren nå får bygd ut motorvei – over 80 km med firefelts vei – både på E18 og på

Som jeg sa i mitt innlegg, satt altså Fremskrittspartiet og Høyre i desember 2011 og stemte for å utsette hele prosjektet. Hadde de fått flertall, hadde jo ikke veien som vi nå skal bygge videre på, vært der engang. Snakk om å svikte, og snakk om å bruke store ord. Og selv om Fremskrittspartiet liker det veldig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

Jordbruksoppgjøret i 2016 gjelder bevilgninger over kapittel 1150 for kalenderåret 2017 og omdisponeringer innenfor vedtatt budsjett for 2016. Videre omfatter oppgjøret målpriser for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017 og enkelte andre bestemmelser. Det mest sentrale politiske grunnlaget for forhandlingene er regjeringens politiske plattform, Stortingets behandling av Innst. 285 S for 2013–2014, Innst. 385 S for 2014–2015 og avtalen mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene av 28. mai 2014. Statens tilbud prioriterer økt produksjon der det er markedsmuligheter, økt kvalitet, bedre utnyttelse gjennom økt tilskudd til korn og redusert incentiv til å produsere gras i kornområder og økt satsing på investeringstiltak for å møte behovet for investeringer i driftsapparat og jord. I tillegg prioriterer tilbudet klimaområdet innen forskning, utredning og rådgivning. Avtalen legger til rette for en inntektsvekst pr. årsverk på 18,75 pst. fra 2014 til 2017, eller i underkant av 6 pst. pr. år. Årets normaliserte regnskap viser at inntektsutviklingen i jordbruket ligger an til å bli større enn for andre grupper. Utviklingen for gårdsbruk med ganske like muligheter vil variere. Dette skyldes at bønder, som andre private treffer sine valg ut fra en helhetlig vurdering av hvilke muligheter næringen gir. Data på foretaksnivå viser at det er betydelig variasjon rundt gjennomsnittlig inntekt, både innen produksjoner og mellom bruk med likeartede forhold og forutsetninger. Det er stor optimisme og investeringslyst i næringen. Færre bruk blir nedlagt, og færre bønder går ut av næringen. Vridningen i tilskudd fra areal til produksjon har f.eks. gjort at vi nå har balanse i lammekjøttproduksjonen,

pst. Etter flere år med reduksjon i selvforsyningsgraden har den fra 2014 til 2015 økt med 3 prosentpoeng, fra 47 pst. til 50 pst., spesielt fordi kornavlingene har vært gode. Det er avgjørende at landbrukspolitikken som føres, gir trygg og sikker mat, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og en bærekraftig næring. Produktivitetsutviklingen i jordbruket har i mange år vært større enn i andre næringer som følge av økt avling og ytelse pr. enhet. enhet. Teknologiske forbedringer og strukturendringer har også ført til redusert arbeidsinnsats og bedre inntjening. I perioden fra 2009 til 2014 ble over 97 400 dekar areal godkjent til nydyrking. Godkjent areal for nydyrking økte med 4 015 dekar fra 2013 til 2014. I 2004 ble det satt et mål om at den årlige omdisponeringen skulle reduseres til under 6 000 dekar. Dette målet ble nådd i 2013.

Foredling og omsetning av jordbruksvarer ligger i hovedsak utenfor jordbruksavtalens virkeområder, men jordbruksforhold og handelspolitiske forhold, markedsordninger og prisutvikling på råvarer er allikevel av stor betydning for både næringen og omsetningen. Landbrukspolitikken må som følge av dette ha alle ledd i kjeden fra jord til bord som perspektiv. Jeg vil med dette anbefale komiteens innstilling, og jeg ser fram til en god debatt.

tettes, og vil en i så måte komme med initiativ til dette ved neste jordbruksoppgjør? Vi er ikke uenig i at bøndene skal ha en inntekt på linje med andre grupper, men vi er uenig i at det bare skal skje via større statlige overføringer. Staten kan ikke gi inntekter, men staten kan legge til rette for at bøndene kan utnytte de inntektsmulighetene som rammen legger til rette for. Bøndene er ikke statlig ansatte, men selvstendig næringsdrivende, med en stor mulighet til å påvirke sin egen inntekt. Årets normaliserte regnskap viser at inntektsutviklingen i jordbruket ligger an til å bli klart større enn for andre grupper. Eg vil følgja opp det same temaet. Det er rett som representanten

Her ser eg at Høgre er med på merknaden om å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre i samfunnet. Spørsmålet mitt er om det betyr at Høgre i framtidige oppgjer meiner at det er eit mål å redusera den kronemessige forskjellen målt pr. årsverk. Utgangspunktet er at inntektsveksten måles i prosent i alle inntektsoppgjør. Det er ikke flertall i komiteen for å endre på det. Da gjenstår det å se om de som snakker ganske høyt om dette nå i opposisjon, kommer til å levere på det hvis de kommer i posisjon igjen. Selv om datagrunnlaget endrer seg over tid, er det verdt å minne om at årets totalkalkyle viser at jordbruksinntekten i 2006, altså under det rød-grønne styret, var 47 pst. av inntekten til andre grupper, mens den i dag er 66 pst. av inntekten til andre grupper. Det betyr helt klart at det er bedre tider for landbruket. Det er rett at det er vanleg å måla inntektsutvikling i prosent, men når ein snakkar om eit inntektsgap, handlar ikkje det om prosent. Eit gap består av kroner. Ønskjer ein å tetta det gapet,

for å nå det som ein samla komité seier, nemleg å redusera inntektsgapet? Som jeg tidligere har svart til representanten Storberget, er selvfølgelig ikke Høyre uenig i at bøndene skal ha en inntekt på linje med andre grupper, men vi er uenig i de virkemidlene som skal føre fram til det. For vår del er vi opptatt av å senke skattene. Vi er opptatt av forenklede støtteordninger, å gi muligheter for dem som ønsker å satse ved at kvoter og reguleringer oppmykes slik at en kan forsvare investeringer og utnytte gårdens totale ressursgrunnlag. Med dette mener vi at vi legger til rette for at bønder kan få

godt, de produserer nødvendige varer, og de befinner seg i det jeg oppfatter som midten av det omstillingssamfunnet vi faktisk lever i, og midten av det samfunnet som har behov for et grønt skifte. I så måte er Arbeiderpartiet svært glad for at man – i hvert fall delvis – har klart å framforhandle en jordbruksavtale som i hvert fall ett av faglagene har sluttet seg til. Jeg finner grunn til å understreke det, for fra Arbeiderpartiets ståsted mener vi at forhandlingsinstituttet og den muligheten som norske matprodusenter har til å ta denne runden på vårparten, er noe som gagner både samfunnet som helhet og ikke minst matprodusentene sjøl. Det er ikke sikkert at man ville nådd like langt om man skulle inn i mer ordinære budsjettprosesser og forsvare sine interesser opp mot alle andre gode behov. Man skal ikke ha deltatt så lenge i budsjettforhandlinger – verken i eller utenfor regjering – før man forstår akkurat det. Norske bønder er av dem som i løpet av de siste årene virkelig har vist at det er mulig å omstille produksjonsvirksomhet i Norge, og de har på mange måter gjort til skamme alle antydninger om at dette er en type næring som er i ferd med å råtne på rot. Heldigvis ser det ut til at både befolkningen, politiske miljøer og nærmest alle politiske partier – og jeg vil også si regjeringen – ser det poenget. Det er faktisk helt nødvendig hvis man skal kunne få et godt grønt skifte, fortsatt vekst, økt produksjon i

lønnsomheten fortsatt må opp, og at det ikke er slik som saksordføreren, representanten Foss, sa i replikkordskiftet: at det nærmest er helt andre forhold som skal bidra til å øke lønnsomheten enn det vi som politikere rår over. Det er grunn til å peke på at i den rød-grønne regjeringens tre siste år – jeg har hørt på samferdselsdebatten nå i ettermiddag og funnet ut at jeg må jo snakke litt om de rød-grønne årene, jeg også, siden det var et så hett tema der – økte budsjettoverføringene med over 1 mrd. kr, mens man i løpet av de siste tre årene vel har hatt en økning på ca. 145 mill. kr. Det er et betydelig skifte når det gjelder hvordan man satser på det vi oppfatter som en framtidsnæring – helt åpenbart. Hvis man virkelig skal kunne klare å tette inntektsgap, er det Arbeiderpartiets oppfatning at vi i større grad også må bruke de budsjettmessige virkemidlene som vi som stortingsrepresentanter er satt til å rå over. Vi oppfatter at den innstillingen som nå ligger på bordet, er en klar beskjed til regjeringen, og at den i realiteten innebærer en parkering av det jeg oppfatter som et forsøk på og anløp til liberalistisk landbrukspolitikk. Denne innstillingen markerer veldig tydelig, etter min mening, at inntektsgapet må tettes. markerer veldig tydelig at man nå må ha for øye det investeringsbehov man har ute hos norske bønder, ikke bare knyttet til et framtidig – dog langt inne i framtida – løsdriftskrav som skal implementeres, men at det er et betydelig behov for økt kapitaltilgang. I merknadene er det også et at de forhandlinger som regjeringen nå er i ferd med å gjennomføre knyttet til artikkel 19 i EØS, i sterkest mulig grad må skjerme norsk landbruk. Det er også et tydelig flertall som sier at det må opprettholdes en variert bruksstruktur og produksjon i hele landet for at vi skal kunne evne å øke norsk matproduksjon, og for at vi skal evne å øke lønnsomheten. Og det er også et flertall i komiteen som understreker at det mener at regjeringen ikke har fulgt opp arbeidet for å verne mer av matjorda vår, noe som er en absolutt forutsetning for – jeg holdt på å si alle – både dette og framtidige jordbruksoppgjør. Fra Arbeiderpartiets side vil vi for øvrig støtte det forslag som jeg forstår representanten Lundteigen har fremmet i dag tidlig. Det blir replikkordskifte. Representanten

på hvordan Norge kan bli mer selvforsynt med mat? Jeg skal prøve så godt jeg kan. Jeg mener for det første, som jeg sa i mitt hovedinnlegg, at vi er nødt til å øke lønnsomheten. Da må etter mitt skjønn regjeringen i større grad enn i dag tilbake på den linja som den rød-grønne regjeringen var på, med å kunne bruke budsjettet aktivt enn det man faktisk gjør. Jeg mener også, som jeg også sa i innlegget mitt, at det er en forutsetning for å øke norsk produksjon at vi i større grad må evne, også fra politisk hold i Stortinget, å se på virkemidler for å få opp investeringene i landbruket – og det er i et vidt perspektiv. Så er jeg av den oppfatning at den jordvernstrategien som ble vedtatt, er vi helt avhengig av å få satt makt bak – særlig de positive virkemidlene som ble etterlyst fra Stortinget for å kunne ta vare på mer matjord. Til sist har jeg lyst til å nevne at hvis vi ikke klarer å markere veldig tydelig i internasjonale forhandlinger at vi er nødt til å verne norsk landbruk, er jeg redd for at produksjonen i Norge vil gå ned.

Når Arbeiderpartiet tar til orde for å øke differensieringen av virkemidlene og reversere liberaliseringen, betyr det at Arbeiderpartiet vil reversere de endringene som er foretatt de siste to årene? Der hvor det er budsjettmessige grunner til å gjøre det, men også der man faktisk har muligheten til å gjøre det, vil man måtte vurdere å reversere endringer – særlig de som handler om struktur. Det var en betydelig kritikk fra Arbeiderpartiet og flere her i Stortinget om at man i 2014 gikk for langt når det gjaldt struktur. Skal man gjøre som flertallet sier, nemlig øke norsk matproduksjon over hele landet, tror jeg ikke det er riktig å gå videre på denne veien med å ha en slik strukturell utvikling som vi så antydninger til, men som jeg faktisk syns dette jordbruksoppgjøret modererer noe. I den grad man ønsker å gjøre drastiske endringer, f.eks. når det gjelder melkekvoter, melkekvoteordningen og fylkesmessige inndelinger, er å gjøre drastiske endringer, f.eks. når det gjelder melkekvoter, melkekvoteordningen og fylkesmessige inndelinger, er Arbeiderpartiet av den oppfatning at de endringene kan være vanskelig å endre hvis man gjør dem, men det er veldig viktig for å opprettholde den strukturen vi har på norsk landbruk og produksjonen over hele landet. Representanten Storberget sa i sitt innlegg at forhandlingsinstituttet er til gagn for samfunnet som helhet og matprodusentene. Representanten

om at det ved et eventuelt brudd var mulig for den ene part å få større gjennomslag i Stortinget. Mener representanten Storberget at dette bygger opp under forhandlingsinstituttet? Ved et totalt brudd med begge faglagene – hvis det er det representanten tenker på, situasjonen vi bl.a. hadde i 2014 – mener jeg at man ikke kan regne med at Stortinget automatisk skal kunne akklamere statens tilbud. Det ville jo virkelig være å sette politikken til side. Det går en grense for hvor langt man skal akseptere forhandlingsinstituttet. Med en regjering bestående av Høyre og Fremskrittspartiet – altså de ytterste høyre – som har markedsført så tydelig at man skal rive ned det som jeg oppfatter som det sentrale når det gjelder landbrukspolitikken, så tydelig at man skal rive ned det som jeg oppfatter som det sentrale når det gjelder landbrukspolitikken, vil det i hvert fall ikke fra Arbeiderpartiets side bli gitt noen som helst garanti om at vi vil støtte statens tilbud ved et totalt brudd. Dette er en balansegang. Jeg er også veldig ivrig på at som særinteresse og viktig interesse i Norge tjener bøndene veldig mye på å ha denne muligheten til å drive jordbruksforhandlinger – som jeg oppfatter som rimelig reelle, og hvor man faktisk også i år har oppnådd resultater som er bedre enn hva man ville fått

som vil være til gagn for norske bønder og norske forbrukere. I 2014 ble det brudd i oppgjøret, og behandlingen havnet i Stortinget. Stortinget tok de grep som var nødvendig for å bedre situasjonen for norsk landbruk. Blant annet vedtok stortingsflertallet – bestående av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre – den gang at man skulle øke kvalitetstilskuddet, slaktetilskuddet, på sau fordi vi hadde underskudd på saueslakt i Norge. Det ble gjort. Det endte med at vi nå er selvforsynt med sauekjøtt i Norge. Fra 2003 til 2014 gikk antall sauebruk i Norge ned med 5 500 bruk. Fra 2014 til 2016 snudde denne trenden, og vi fikk faktisk 200 nye bruk i Norge. altså antall bruk, takket være denne regjeringen og våre samarbeidspartier. Det må være noe å juble for, også for de rød-grønne, selv om de ikke klarte dette på de årene de satt. Vi er nå selvforsynt med sauekjøtt i Norge. Vi har økt produksjonen av sauekjøtt. Vi har økt bondens inntjening. Vi har gjort det slik at det er mer lønnsomt å produsere norsk mat på norske ressurser i Norge. Med det landbruksoppgjøret som vi nå har til behandling, går vi inn for å øke kvalitetstilskuddet for storfe. Vi har underskudd på storfeslakt, og vi ønsker derfor å gjøre noe med det. Ved å øke kvalitetstilskuddet

faktisk har blitt redusert. Det er noe de rød-grønne kanskje kan ta med seg videre i debatten, og noe de rød-grønne absolutt ikke klarte på de åtte årene de satt med makten. Men denne regjeringen har altså klart det. Helt til slutt vil jeg få lov til å nevne en ting som så vidt ble tatt opp i forrige innlegg. Vi har et avtaleinstitutt, og Stortingets flertall har vært enig om at man skal beholde det avtaleinstituttet. Da blir jeg litt forundret når jeg leser forslaget fra Sosialistisk Venstreparti, som ber oss sende hele jordbruksoppgjøret tilbake til regjeringen og ber den komme med nye ting, nye grep, som SV kan være fornøyd med. med. Vi skal ha tillit til at staten vet hva den driver med når man forhandler jordbruksoppgjøret, men vi skal også ha tillit til at Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag har peiling på hva de driver med når de forhandler jordbruksoppgjøret. Slik jeg ser det, er dette en mistillit til staten – det får så være – men det er også en mistillit til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

og man har økt potten i budsjettet. Det er jo litt interessant, med tanke på at Fremskrittspartiet alltid har vært opptatt av å si at man skal redusere budsjettmidler og få ned prisene. Man har altså gjort det stikk motsatte av det man har sagt tidligere. Da lurer jeg rett og slett på om det betyr at Fremskrittspartiet har forlatt det gamle tankegodset som de hadde med seg inn i regjering, og fått en ny politikk? Selvfølgelig er jeg fornøyd med Fremskrittspartiet i regjering – det skulle bare mangle. Når man ser på hva Fremskrittspartiet og Høyre har fått til sammen i regjering, må vi være fornøyde. Egentlig tror jeg at både Arbeiderpartiet, Senterpartiet og de andre i opposisjonen er fornøyde – de er bare litt misfornøyde med at de ikke har klart å få Når det gjelder jordbruksoppgjøret: Ja, vi mener at det kan gjøres en del endringer i jordbruket for å kutte på budsjettmidlene. Vi har så vidt startet en prosess for å gjøre en del forenklinger og forbedringer. Ved jordbruksoppgjøret i 2014 ble det vedtatt 26 forenklinger. Vi har fortsatt den trenden. I årets oppgjør ble det noen færre. Og før vi klarer å kutte så mye som vi ønsker, er vi nødt til å gjøre disse forenklingene: sørge for at bl.a. byråkratiet blir noe bedre, sørge for at vi gjør det mer effektivt å forvalte norsk landbrukspolitikk. Så kan vi begynne å kutte. Men det betyr ikke at vi skal kutte i bondens inntjening. Framstegspartiet gjekk til val på det er rart at representanten Knag Fylkesnes

SV for ikkje å respektera forhandlingane. Mitt spørsmål er: Har Framstegspartiet innsett at deira politikk ikkje har tolt møtet med verkelegheita? Jeg viser til mitt forrige svar, som var til representanten Botten. Vi har en intensjon om å gjøre en del endringer i norsk landbrukspolitikk, men vi har innsett at Fremskrittspartiet ikke er i flertall alene i denne salen, og det må vi at Fremskrittspartiet ikke er i flertall alene i denne salen, og det må vi forholde oss til. Vi samarbeider med andre partier, og det synes jeg har gått rimelig greit. Vi har fått gjort en god del endringer, en god del forenklinger, som gjør at vi etter hvert kanskje kan gå inn og få kuttet noe på overføringene til landbruket. Kanskje det også vil gjøre at norske matpriser kan senkes noe – uten at det går

for. Staten inngår i mange oppgjer, mange forhandlingar og mange forhandlingsinstitutt rundt omkring, og det fekk meg til å stusse over korleis Framstegspartiet stiller seg til andre forhandlingsinstitutt. Er det berre denne gongen at det heilage er så stort, mens det i andre samanhengar ikkje er det? Då kom eg til å tenkje på: Kva er det med trygdeoppgjeret dei siste ti åra, der Framstegspartiet veldig mange gonger har kome med mindretalsforslag og har ønskt å gå imot dette forhandlingsinstituttet? Så eg berre lurar på om representanten Ørsal Johansen kan klargjere for Stortinget og folket elles kva som er Framstegspartiets forhold til forhandlingsinstituttet. Jeg er litt usikker på om jeg skal gå inn og si noe om trygdeoppgjøret. Det er ikke akkurat mitt fagfelt, men jeg kan si noe om landbruksoppgjøret og forhandlingsinstituttet der. Fremskrittspartiet sitter i en regjering der. Fremskrittspartiet sitter i en regjering der regjeringsplattformen sier at vi skal beholde forhandlingsinstituttet, og at det skal være det vi bygger jordbruksforhandlingene på. Fremskrittspartiet ønsker å fjerne det – det er det ingen som helst tvil om. Det er vår politikk. Men så lenge vi sitter i en regjering som har en regjeringsplattform som er klar på at vi skal beholde forhandlingsinstituttet, gjør vi det. Så enkelt er det. Og da forsvarer vi forhandlingsinstituttet. Men jeg synes det er rart at representanten Knag Fylkesnes kommer med den kritikken når han selv presterer å legge fram forslag i denne salen som ville være med på knuse og ødelegge hele forhandlingsinstituttet. Det overrasker

Årets avtale legger opp til økt produksjon der det er rom for det i markedet: korn og storfe. også ble gjort i 2014, da vi hadde forhandlinger her i Stortinget. Man velger å øke støtten til ammeku opp til 40 kyr, man øker dyretilskuddet opp til 16 kyr og også det samme for sau, opp til

verdiskaping. Videre ble det sagt at denne avtalen sikrer en bedre utvikling enn hvis vi ikke hadde akseptert en avtale. Kristelig Folkeparti har respekt for forhandlingsinstituttet. Vi har respekt for prosessen som faglagene har opp til kravene som blir stilt, vi har respekt for tilbudet som kommer, og for selve forhandlingssituasjonen. Det er en enighet som har kommet på plass. Jeg tror det både har vært svette, nattetimer og en feilsendt SMS, men nå er vi her, og med den framforhandlede avtalen til grunn konfirmerer Stortinget i dag denne og gjør de nødvendige endringene i statsbudsjettet for 2016. Dagens innstilling legger også viktige føringer for framtidig landbrukspolitikk. Det hører også med til forhandlingsinstituttet. En samlet komité sier at vi skal «redusere inntektsgapet mellom at «det er avgjørende at utøverne i landbruket skal kunne ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper», og at «bøndene som selvstendige næringsdrivende selv kan påvirke sin inntektsutvikling». Så er det også et flertall i komiteen som sier at avtalen «vil bidra til en balansert inntektsutvikling ved at budsjettmidlene fordeles med en strukturprofil som jevner ut inntektsmulighetene for små og mellomstore bruk».

I klimarapporten som ble utarbeidet som et resultat av enigheten fra 2014, mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser det seg at norsk landbruk har et potensial til å kutte 20 pst. av utslippene samtidig som produksjonen opprettholdes. Nettopp dette er selve clouet: å klare å redusere klimagassutslippene samtidig som matproduksjonen opprettholdes. I enigheten mellom Bondelaget og staten er løsdriftskravet utsatt med ti år. Bønder tenker i generasjonsperspektiv, men de er også opptatt av fornuftige og praktiske måter å gjennomføre så store investeringer på. Jeg bet meg merke i beskjeden fra lederen av Bondelaget på pressekonferansen: at økte investeringer er like viktig som før for å kunne øke investeringene i framtiden. Dette er en tydelig beskjed til regjeringen om at investeringene i landbruket må økes. I tillegg til årets oppgjør sender regjeringen også prisutjevningsordningen på melk til Stortinget via proposisjonen vi nå har til behandling. Regjeringen vil ha et tak per aktør. Næringen vil ha ett samlet tak. Ut fra konkurransehensyn innad i norsk meierisektor og konkurranse utenfra har en samlet komité lagt til rette for et tilskudd på 50 øre per liter en ordning som skal evalueres i 2018. Men vi mener at dette er en god ordning fram til det. Det vil øke konkurransen og også gjøre at vi klarer å bruke melk som er produsert på norske jorder og av norske kuer. Det blir replikkordskifte. Å redusere inntektsgapet er viktig framover, fastslår en samlet komité. Nå ser vi både i media og

Hva slags forventninger har Kristelig Folkeparti til regjeringens oppfølging? Og hva vil Kristelig Folkeparti selv foreta seg overfor samarbeidspartiene inn mot neste oppgjør på dette punktet, som også representanten var veldig opptatt av i sitt innlegg? Takk for replikken. Ja, innstillingen er på dette punktet, som på veldig mange andre punkter, god. Vi har en dobbeltsidig formulering på inntekt: både at det skal redusere gapet som bønder har mot andre grupper, og også at man skal ha lik utvikling. Det er riktig steg og retning for denne innstillingen. Det er kjent politikk for både representanten Omland og regjeringen at Kristelig Folkeparti har stått på det og mener det. I dag sier en samlet komité dette, og det er en tydelig beskjed til regjeringen og våre samarbeidspartnere. Årets jordbruksoppgjer aukar, ifølgje proposisjonen, inntektsforskjellane med 2 000 kr. Difor er

vil vera prosentvis lik utvikling, altså eit inntektsmål som vil auka inntektsgapet. Så mitt spørsmål til Kristeleg Folkeparti er: Når Kristeleg Folkeparti no har stilt seg bak ein merknad om å redusera inntektsgapet, betyr det at den formuleringa frå 2014 ikkje lenger er gjeldande? at den formuleringa frå 2014 ikkje lenger er gjeldande? Nå er det slik at vi i dag debatterer dagens innstilling, og det er den vi forholder oss til. Kristelig Folkeparti har sagt at vi både skal redusere inntektsgapet mellom bønder og sammenlignbare grupper, og også at det skal være en utvikling på linje med andre grupper når det gjelder inntekt og sosiale vilkår. Så er det slik at vi kom så langt som vi kom i og nå sier komiteen – med Senterpartiet om bord, med Arbeiderpartiet om bord, med SV om bord, og jeg forventer at Miljøpartiet De Grønne også støtter dette, selv om de vil sende saken tilbake – at det som er bra for landbruket, det er bra for oss som er opptatt av at bonden skal ha en god inntekt å leve av. Eg er glad for den presiseringa. Eg trur kanskje eg har litt tungt for det, men eg vil utfordra endå meir konkret: Er det sånn å forstå at for å redusera inntektsgapet og ha ei lønnsutvikling på linje med andre grupper, så må framtidige oppgjer minst ha lik kronemessig inntektsutvikling som andre grupper målt per

Der regjeringa tenkjer kvartal for kvartal, år for år, har Senterpartiet eit generasjonsperspektiv på landbruket. Familielandbruket er bærebjelken i den suksesshistoria som norsk landbruk er. Senterpartiet held seg til at det er inngått ein avtale mellom staten og Noregs Bondelag. Når ein ser på dei tre siste oppgjera, har det vore ein samla auke i budsjettmidlar på Til samanlikning var det dei tre siste åra under førre regjering ein vekst på meir enn éin milliard. Det er eit klart bevis på at det betyr noko kven på Stortinget som styrer landbrukspolitikken. Det viktigaste med dagens behandling av jordbruksoppgjeret er å peika ut ei retning for neste års oppgjer. Eg er glad for at ein i komitéinnstillinga meiner det er «viktig å redusere inntektsgapet Dette er ei formulering som etter mi meining ikkje er mogleg å misforstå. Det betyr at inntektsutviklinga i jordbruket i kroner per årsverk må vera høgare enn for andre grupper. Senterpartiet har fremja eit eige forslag som ville ha fjerna den tolkingstvilen. Det forslaget ligg der. Det er òg viktig at ein seier at ein vil «styrke differensieringen av virkemidlene» for å sikra ein variert Eg håper at statsråden i debatten vil bekrefta at han òg oppfattar at dette er ein ny kurs samanlikna med den regjeringa har hatt til no. Senterpartiet meiner vidare det er svært viktig å sikra investeringar på alle typar bruk. Difor har me òg eit forslag om ei investeringspakke for landbruket særleg retta mot investeringar på små og mellomstore bruk. Utsetjinga av lausdriftskravet må ikkje verta ei sovepute for ikkje å fornya driftsapparatet på norske gardsbruk – tvert imot bør ein no satsa på investeringar. Det er heilt klart at ein ikkje kan auka norsk matproduksjon utelukkande ved å gjera dei store bruka større. Det er i dag òg varsla eit laust forslag frå representanten Per Olaf Lundteigen frå Senterpartiet. Eg vil knyte nokre kommentarar til det: Det er eit viktig forslag. Eg trur det er heilt nødvendig at Stortinget er tydeleg på kva ein legg i Forslaget er heilt i tråd med dei merknadene som Senterpartiet er med på, og det er òg i samsvar med det nestleiar i Senterpartiet, Ola Borten Moe, sa i Politisk kvarter på NRK tidlegare i dag. Så det er sjølvsagt at heile gruppa til Senterpartiet vil støtta det forslaget. Eg må seie at eg er litt skuffa over at Kristeleg Folkeparti og Venstre har ei så passiv haldning til har funne seg i å vera bremsekloss for ein blå-blå politikk. Til tider har dei bremsa bra, men no er det på tide at Kristeleg Folkeparti og Venstre nyttar den tida som er fram til jordbruksoppgjeret til å disiplinera regjeringa. Og eg vil oppfordra dei til å bruka debatten i dag til å slå fast at når ein vil redusera inntektsgapet, så er ikkje det mogleg med årlege oppgjer som legg opp til auka forskjellar mellom jordbruksinntekta og andre grupper, som årets oppgjer gjer. Med det vil eg ta opp dei forslaga som Senterpartiet står bak, og ser fram til ein frisk og klårgjerande debatt. Representanten Geir Pollestad har tatt opp de forslagene som han refererte til. Aldri før har det vore så stor optimisme i landbruket som det me ser no. Investeringslysta er stor blant bøndene, talet på søkjarar til

men eg meiner at dette ikkje er ei heilt sannferdig beskriving av verkelegheita. For det første meiner eg at regjeringa måler ting for kortsiktig. Det er klart at det er gledeleg med eit godt kornår, at det er fint vêr og sol, men det betyr ikkje at regjeringa sin politikk verkar – det betyr at det var godt vêr det året. SSB sine tal viser at i Noreg. Når me ser på tala for nedbygging av matjord, har den positive nedovergåande trenden som har vore, snudd. Men regjeringspartia – i sin kreativitet – bruker nokre gjennomsnittsmålingar som får deira tal til å framstå positivt. Faktum er at pilen har snudd. Og som eg sa i innlegget mitt, 145 mill. kr har landbruket fått i auka budsjettstøtte over tre år. Tilsvarande tal under førre regjering var 1 mrd. kr. Så eg trur det tryggaste for matproduksjon er å byta regjering. Ein samla komité ønskjer å minske lønnsgapet, og vi ser at dei tre siste åra, altså frå 2014 til 2017, har jordbruksoppgjeret gitt ein inntektsvekst til bonden på Det er rundt 6 pst. per år og godt over dei andre. Spørsmålet er då: Korleis tenkjer ein i Senterpartiet dersom ein skal minske gapet ytterlegare? Tenkjer ein då at ein skal ha eit enda sterkare importvern, eller skal ein sende rekninga til forbrukaren, i eit land som har verdas dyraste mat? Eller korleis tenkjer Senterpartiet, når vi i denne perioden har klart å minske gapet meir enn ein klarte i den raud-grøne regjeringstida? Det dyraste me kan gjera, er å ikkje satsa på norsk matproduksjon. Ser ein litt bak dei tala som det vart referert til her, er det først og fremst frå 2014 til 2015 det var ei svært positiv utvikling året. Året etterpå er det forventa ei lågare inntektsutvikling i landbruket enn for andre grupper. Dette er beskrive i proposisjonen, der det bl.a. vert vist til redusert rentekostnad og marknadsbalansen for svin som medverkande årsaker. Marknadsbalansen for svin er oppnådd på grunn av ein god grillsesong – godt vêr. Det er ingen grenser for kva Høgre og Framstegspartiet tek æra for. Det som eg meiner at Høgre og Framstegspartiet burde ha gjort, var å sørgja for eit jordbruksoppgjer som gjorde at inntektsforskjellane gjekk ned og ikkje opp, slik årets avtale legg opp

representanten nå prøver – en partinestleder som sier at Fremskrittspartiet gjør for mye, mens Pollestad sier avtalen er for svak? Det min nestleiar gjorde i Politisk kvarter, var for så vidt det same som eg gjorde tidlegare under replikkordskiftet. Det var å synleggjera at den politikken som at Framstegspartiet sin politikk ikkje har tolt møtet med verkelegheita. Når det gjeld min kommentar om at dette er ein svak og dårleg avtale, er det fordi det står i proposisjonen at han vil auka inntektsforskjellane med 2 000 kr. Det synest eg er ein dårleg avtale. Men eg registrerer at leiaren i Noregs Bondelag sa at dette var så langt ein kom. Eg registrerer at ein held seg til det politiske fleirtalet som

grunnlaget for den landbrukspolitikken som er blitt ført i tiden etterpå. I avtalen erkjenner regjeringspartiene at vilkårene for drift er forskjellig i ulike deler av landet, og at det derfor er viktig å opprettholde en differensiering i virkemidlene. Av den grunn står distriktsvirkemidlene sentralt. Venstre er opptatt av at det skal være attraktivt å vokse for de bøndene som ønsker det, der det ligger til rette for det, men det må balanseres mot at det skal være attraktivt å drive som bonde med 20 kyr også. Derfor er det viktig for Venstre med differensiering av virkemidlene, slik at vi opprettholder en variert bruksstruktur og sikrer bærekraftig produksjon på jordbruksarealer over hele landet. Det er avgjørende at den strukturelle innretningen i virkemidlene utformes for å gi lønnsom drift ved ulike bruksstørrelser. Venstre ser det derfor som positivt at det i årets avtale er bevegelse i retning av å styrke de små og mellomstore brukene, og at den økte budsjettstøtten i stor grad innrettes mot å bedre lønnsomheten og driftsgrunnlaget for de små og mellomstore. For å nå målet om økt matproduksjon må hele landet tas i bruk. Jeg vil understreke betydningen av at vi bidrar til lønnsom matproduksjon i det som kan kalles marginale områder for jordbruk, samtidig som det legges til rette for volumproduksjon – i det hele tatt en produksjon som sikrer næringsmiddelindustrien tilgang på råvarer av høy kvalitet. Venstre er tilfreds med at årets jordbruksavtale styrker tilskuddet til beiting i utmark, for både sau og storfe, for å utnytte norske gressressurser bedre. Det innebærer en styrking av distriktslandbruket, bedre dyrevelferd at kulturlandskapet blir holdt i hevd. I tillegg har jeg merket meg at avtalepartene, for å stimulere til økt økologisk produksjon, øker satsene for økologisk husdyrproduksjon og for arealer som brukes til å dyrke økologiske grønnsaker, frukt, bær og poteter. Det er positivt og nødvendig dersom vi skal nå målet vårt for økologisk landbruk. I klimaarbeidet er det viktig å prioritere videre innsats inn mot FoU og rådgivning. Jeg er derfor tilfreds med at ordningen med tilskudd til drenering videreføres som i dag, og at midler til handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler prioriteres til jordbruksformål. Det er viktig for Venstre at landbruket bidrar til å nå de ambisiøse klimamålene vi har satt oss, og i den forbindelse vil jeg gjerne minne fra det partssammensatte utvalget bestående av Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Skogeierforbundet, Bondelaget, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Miljøstiftelsen Zero – en rapport som ble lagt fram tidligere i år. Den viser at norsk landbruk har potensial for å kutte 20 pst. av utslippene, samtidig som produksjonen opprettholdes. Det må også lønne seg å investere i klimasmarte driftsmetoder, og virkemidlene må utformes slik at næringsutøverne gis tilstrekkelig ansporing til å investere i klimaeffektiv og klimatilpasset drift. For å lette finansieringen av investeringer i klimatiltak bør det vurderes en fondsordning med skattefordel etter modell av Venstre har ikke sans for at kravet om løsdrift utsettes til 2034. Løsdriftskravet har vært kjent siden St.meld. nr. 12 for 2002–2003 om dyrehold og dyrevelferd. Samtlige norske melkebønder har fått minst 20 år på å legge om driften, og mange aktører har allerede bygget nye løsdriftsfjøs. Jeg mener at en utsettelse av løsdriftskravet er urimelig overfor de bøndene som har innrettet seg etter gjeldende regelverk og påtatt seg store lån for å bygge om eller bygge nytt. Det kreves særskilte investeringsbehov for å imøtekomme kravet om løsdrift i storfehold, særlig for små og mellomstore bruk. Jeg mener derfor at investeringsvirkemidlene må økes. Under behandlingen av oppgjøret i fjor var Venstre med på en flertallsmerknad om at 20 mill. kr til

Har Venstre endret syn, eller har de bøyd av for regjeringen? Dette har ikke vært et sentralt punkt for Venstre i forbindelse med årets behandling av jordbruksavtalen. Vi har gjort en avveining som gjør at vi har landet der vi har landet i årets behandling. Som representanten Omland sikkert også har fått med seg, er vi Som representanten Omland sikkert også har fått med seg, er vi med på svært mange merknader sammen med Arbeiderpartiet, men vi har valgt å legge i potten litt andre ting i år, uten at vi har endret syn av den grunn. Eg meiner det absolutt viktigaste som står i innstillinga, er

eller at det kronemessig minst er lik inntektsutviklinga til andre grupper? Venstre har vært med på en felles merknad her nå, som er knyttet til at vi skal redusere inntektsgapet. inntektsgapet. Det betyr at for Venstre har det vært det som har stått mest sentralt i år. Men så er vi også med på andre merknader som bygger opp under at vi skal ha en utvikling til liks med andre grupper. Mitt inntrykk er

Viss ein berre les merknadene, ser ein at det heilt openbert ville vore ei langt betre inntektsutvikling for bøndene om Venstre saman med Kristeleg Folkeparti hadde valt ein annan kurs i landbruks- og jordbrukspolitikken. Mitt spørsmål er rett og slett om det er slett om det er fordi det er andre politiske område som er viktige for Venstre, at dei har det samarbeidet med Høgre og Framstegspartiet, eller er det fordi dei har fått gjennomslag for viktige delar av sin eigen jordbrukspolitikk? Jeg tror man vil se av det Venstre har bidratt med i landbrukspolitikken fra vi inngikk avtalen i 2014 – jeg holder meg nå til jordbruksoppgjøret, det er det vi i 2014 – jeg holder meg nå til jordbruksoppgjøret, det er det vi bør snakke om her – at vi har sammen med Kristelig Folkeparti på en måte trukket regjeringspartiene bra mot sentrum, mot der Venstre ønsker at landbrukspolitikken skal ligge. Jeg tillater meg å si at landbrukspolitikken slik som den er nå, er nokså nær

Det krev av oss at vi tar i bruk dei verktøya og verkemidla vi har for å sikre matproduksjon der det er mogleg. Jordbruksoppgjeret er den årlege gjennomgangen av korleis vi skal styre verkemidla, og om vi i det heile følgjer kursen vi har bestemt oss for å følgje. Det kanskje mest påfallande med jordbrukspolitikken er at vi har mange mål og lite målstyring. Stortinget har vedtatt mange mål, men det er tilnærma umogleg å sjå korleis desse er operasjonaliserte gjennom jordbruksoppgjeret. Der SV på andre samfunnsområde meiner det er for mykje målstyring og for lite tillit, synest vi det er motsett i landbrukspolitikken. Det er kanskje ei bakanforliggjande årsak til at vi er i den situasjonen vi er i akkurat i dag, der det er store sprik mellom det Stortinget meiner er måla, og korleis regjeringa har følgt opp desse måla gjennom jordbruksoppgjeret. Kanskje måla og retninga til Stortinget ikkje er klare nok for regjeringa. Kanskje måla sprikjer i alle retningar, kanskje måla i realiteten er ein stor meny som gjer at landbruksministeren kan handle ganske fritt. Før vi begynner å diskutere sjølve innhaldet i oppgjeret, og sett bort frå ideologiske forskjellar, meiner eg vi alle er tente med ein mykje meir operasjonaliserbar målstruktur for norsk jordbrukspolitikk. Det er bakgrunnen for at SV føreslår at regjeringa kjem tilbake i haust med ein modell for målstruktur med konkrete, avgrensa, etterprøvbare mål som kan gi grunnlag for styring og resultatmåling. Vi ber om at partia vurderer å støtte det. Så til politikken: Måla for norsk jordbruk kan summerast opp i at vi ønskjer å auke matproduksjonen ved hovudsakeleg å ta i bruk norske ressursar på økologisk vis i heile landet. Eg meiner det er vanskeleg å sjå at desse måla har vore førande frå statens side i jordbruksoppgjeret. Auka fôrimport, redusert bruk av landareal, svekking av små og mellomstore bruk, større inntektsgap, sentralisering og ingen plan for overgang til økologisk landbruk gjer at norsk landbruk går i motsett retning av kva målsetjingane er. Ein kan kanskje seie det Hjemdal frå Kristeleg Folkeparti, at det kanskje var bra at oppgjeret ikkje blei presentert på 17. mai. Det kan ikkje vere sånn at når jordbrukspolitikken til regjeringa drar Noreg i feil retning, skal Stortinget sitje stille under dekke av forhandlingsinstituttet. Det er ingen andre enn Stortinget i dette landet som har det overordna ansvaret for norsk matproduksjon. Når kapteinen ser at skipet ikkje følgjer avtalt kurs, ber han styrmannen justere kursen. Det er både vårt ansvar og vår plikt. plikt. Kva skal vi gjere når det ikkje skjer? Eg trur det å skrive merknad ikkje er riktig veg å gå. Difor føreslår SV å sende oppgjeret som heilskap tilbake til regjeringa. I perioden frå 1999 til 2015 har det vore ein reduksjon i totalt jordbruksareal på 537 000 dekar. Det er ein nedgang på over 5 pst. av jordbruksarealet. Reduksjonen i fulldyrka jordbruksareal

Vi vil endre inntektsfordelinga sånn at små og mellomstore bruk kjem vesentleg betre ut, og vi føreslår innføring av eit driftsvansketilskot ved jordbruksforhandlingane i 2018. Samla meiner vi dette vil vere treffsikre ordningar for å motverke arealavgang, gjengroing og redusert biologisk mangfald på bruk med vanskelege driftsforhold. Nokre bruker verdas matbehov som argument for auka matproduksjon gjennom kraftfôrimport. Det er eit merkeleg argument,

argumentet som landbruksministeren seinast i dag morgon framførte på radio, oppfyller dermed kravet til argumentasjonsfeil eller tankefeil i Arne Næss sin terminologi. Kanskje får vi gleda av å høyre det igjen om nokre få minutt. Eg vil nytte anledninga til å løfte SVs forslag som vi har fremja i innstillinga. Representanten Torgeir Knag Fylkesnes har tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte.

Unge investerer i nye fellesfjøs, og vi opprettheld drift på same arealvolum som før. Vi produserer nok egg til å dekkje eige behov, vi produserer nok sau til å dekkje eige behov, og vi nærmar oss på storfe. Vi har med andre ord snudd den negative utviklinga vi såg gjennom åra med raud-grønt styre, og vi hugsar at Småbrukarlaget, viss det er det SV er opptatt av, har brote seks av dei sju siste åra. Spørsmålet er: Er det dette SV vil tilbake til når dei ønskjer å sende jordbruksoppgjeret tilbake? Eg er ikkje sikker på kva representanten meinte med å vilje tilbake til, altså tilbake til Bonde- og småbrukarlaget. Viss eg forstår representantens spørsmål riktig, nemner han da for det

at inntektsordninga for små og mellomstore bruk blir svekt for å styrkje inntektene til dei store. Da vil ein på sikt få ein situasjon der ein reduserer både den norske matsikkerheita og den norske evna til å produsere mat. Eg vil minne representanten om at grunnen til at organisasjonar bryt forhandlingar, er fordi ein er ueinig. Det er det ein kanskje må ta inn over seg.
Neste taler er representanten

og dette betyr at jorda må dyrkes der den ligger. Det er jeg for så vidt enig i, men har representanten Knag Fylkesnes noen eksempler på at det blir dyrket jord der den ikke ligger? Viss eg har vore så uheldig og sagt at det blir dyrka jord der ho ikkje ligg, da trekkjer eg umiddelbart tilbake den utsegna. Men det er veldig mange eksempel på at jorda ikkje blir tatt i bruk i heile landet.

Andelen av statsbudsjettet som brukes til å støtte landbruket, har falt fra mer enn 8 pst. for ti år siden til om lag 1 pst. i 2016, og justert for inflasjon er den reelle verdien av overføringene til landbruket redusert med omtrent 900 mill. kr på tre år. Det er selvfølgelig bra at folk har god råd til å kjøpe den maten landbruket produserer. Det er bra at staten ikke behøver å bruke 8 pst. av statsbudsjettet på landbruket, og at bøndene slipper å gå med stuttorv i bratte lier for å skrape sammen vinterfôret. Det er bra at teknologi og effektivisering har økt produktiviteten. Men mye av effektiviseringsgevinsten er tatt ut i form av billig mat, færre bruk og økende stordrift og sentralisering. Det har vært økonomisk rasjonelt og tilsynelatende nødvendig sett fra mange regjeringers synspunkt. Prisen for dette er redusert matsikkerhet i Norge, færre distriktsarbeidsplasser og en bruksstruktur som gradvis løsrives fra ressursgrunnlaget i Norge. Det er Stortingets oppgave med jevne mellomrom å spørre seg om dette er en utvikling vi ønsker, og som vi er nødt til å videreføre. Har vi fordelt gevinsten av produktivitetsutviklingen slik vi egentlig vil? Næringskomiteens merknader opp gjennom årene tyder på at vi ikke har det. Jordbruksoppgjøret er da et naturlig tidspunkt for å drøfte sånne spørsmål. Miljøpartiet De Grønne mener det er på tide å stille spørsmålet: Hva slags landbruk kan vi få hvis vi slutter å redusere støtten hvert eneste år, og i stedet begynner å konkretisere forventninger til matforsyning, kvalitet, lokal ressursbruk, arbeidsplasser på store og små bruk samt dyrevelferd og miljø- og klimatiltak? Utviklingen i jordbruket er ikke i samsvar med de overordnede målene for matproduksjon, ressursbruk og bosetting som Stortinget jevnlig gir uttrykk for. Jordbruksoppgjøret som regjeringen og landbruksorganisasjonene har forhandlet fram i år, kommer til å forsterke denne utviklingen ytterligere i det store bildet. Derfor foreslår MDG i dag, i likhet med SV, at Stortinget sender oppgjøret tilbake og ber regjeringen legge fram et nytt tilbud for jordbruksorganisasjonene som følger opp de overordnede målene om matproduksjon og selvforsyning basert på norske ressurser. La meg understreke at Miljøpartiet De Grønne respekterer forhandlingsinstituttet, i likhet med alle andre partier. Vi ønsker ikke at Stortinget støtt og stadig skal sende oppgjøret tilbake. Men det har utviklet seg et sprik mellom forhandlingsresultatene og det stortingsflertallet overordnet reflekterer ikke det overordnede synet til Stortinget. Det tilbudet som ble lagt fram i år, er i forhold til norsk ressursvirkelighet basert på en ganske ytterliggående markedsorientert politikk. Nå er det selvfølgelig regjeringens privilegium å tilby akkurat det den selv ønsker, men er Stortinget uenig i det,

Verden blir ikke mettere av at færre kyr spiser norsk gras og flere spiser brasiliansk soya. Miljøpartiet De Grønne har ingenting prinsipielt imot at vi og andre eksporterer og importerer jordbruksprodukter. Når vi erstatter matproduksjon basert på norske ressurser med å lage mat i økende grad på importert kraftfôr, kan vi i et matforsyningsperspektiv like godt importere biffene direkte fra Argentina og finne noe annet å subsidiere. Miljøpartiet De Grønne foreslår derfor en gradvis gjeninnføring av toppavgrensningene som regjeringen fjernet i 2014, økt kornpris, beitetilskudd, grovfôrtilskudd, målpriser og krav om tilgang på lokale fôrressurser for å motta støtte til nyinvesteringer. Vi støtter også representanten Lundteigens løse forslag, og vi støtter selvfølgelig ikke forslaget om å

Dette systemet er det i praksis heldigvis stor politisk einigheit om, sjølv om enkelte regjeringsparti i tide og utide uttrykkjer seg stikk motsett. Uansett, trur eg, vil landbruksforhandlingane vera eit særdeles hensiktsmessig verktøy også i framtida, men det føreset naturlegvis at forhandlingsinstituttet blir brukt, og ikkje minst at resultatet blir respektert.

men det må aldri være helt sikkert at Stortinget gjør det, for da faller Stortingets rolle bort, og presset på forhandlingspartene til å treffe ansvarlige konklusjoner faller også bort. Eg har eigentleg eit kort og greitt spørsmål. Er

Det er derimot et mål for Miljøpartiet De Grønne å øke produksjonen av storfekjøtt basert på norske ressurser, basert på norsk gras. Hva som blir det nøyaktige produksjonsvolumet av en slik overlegning, kan man diskutere, men det er en utvikling vi vil støtte. Men vi vil altså ikke se det som et selvstendig og isolert mål å øke den norske kjøttproduksjonen. Det var eit svar med litt dobbel botn, så

staten delaktig i en ganske massiv markedsføring av kjøtt overfor norske forbrukere. Uten den markedsføringen er det god mulighet for at den etterspørselen etter kjøtt som representanten Pollestad viser til, vil vise seg å være vesentlig mindre, og det vil være mer rom for grønt og frukt og andre sunne næringsmidler som det norske markedet kan tilby. tilby. Det synes Miljøpartiet De Grønne ville være en sunn utvikling. Replikkordskiftet er omme. Årets jordbruksavtale er inngått i ei tid som er krevjande for Noreg. Stortinget har dei siste månadene brukt mykje tid på å diskutere situasjonen knytt til arbeidsløyse og andre forhold som påverkar norsk økonomi. Fleire av partia som i dag meiner at vi burde brukt meir pengar på jordbruket, har kritisert regjeringa for å bruke for mykje pengar. I dag brukar ein tida på å seie at ein dei tre siste åra under raud-grøn periode auka løyvingane med 1 mrd. kr, medan ein i dag – over tre år – har auka dei med 145 mill. kr i budsjettstøtte. Det er rett Det er rett fordi vi har ei regjering som er meir oppteken av resultat enn kor mykje meir av skattebetalarane sine pengar vi har brukt på landbrukssektoren. Eg vil rose Norges Bondelag for faktisk å vise ansvar, også når det er krevjande for dei å inngå ein avtale med staten. Heile lønsoppgjeret i år er prega av moderasjon. Det var avgjerande for å få til viste ein reell vilje til å inngå avtale basert på den økonomiske situasjonen som landet har vore i. Det meiner eg at Stortinget bør reflektere over når vi skal inn i nye diskusjonar om kva vi skal bruke dei store pengane på dei neste månadene. Det som jordbruksavtalen faktisk svarer på, er dei grunnleggjande utfordringane som jordbruket står overfor i tida framover. Vi skal auke produksjonen, og vi skal auke han basert på norske ressursar. Difor styrkjer vi altså tilskotet til beiting i utmark meir i denne avtalen enn jordbruket samla kravde, fordi også staten meiner det er viktig å leggje til rette for å bruke utmarksressursane våre. Det er altså billegare å sende dyra ut på beite for å sanke graset enn det er å sanke det sjølv. Det er fornuftig, nyttig og ein del av avtalen.

nemleg at dei er opptekne av at vi skal bruke grasareala våre mest mogleg optimalt. Det prøvde staten, men fekk ikkje fullt og heilt gjennomslag. Viss ein skal bruke grasressursane mest mogleg effektivt, er i alle fall det første vi må slutte med, å subsidiere overgang frå kornareal til grasareal i dei områda ein kan dyrke korn. Det er heile føresetnaden for å auke sjølvforsyningsgraden at vi produserer korn der vi kan. Det er avgjerande at vi får det til. kom omtrent halvveges – frå mi side – i dette oppgjeret fordi Bondelaget ikkje ville gå like langt. Så styrkjer vi altså grunnlaget for å auke kvaliteten på den maten vi produserer når vi styrkjer kvalitetstilskotet. I tillegg til at vi gjer det, sørgjer vi for at det er betre økonomi i å produsere tyngre dyr og

på, må liggje fast. Omkampar på innretning som har lagt grunnlaget for investeringane som er gjorde, aksepterer vi ikkje. Det har vore heile fundamentet som har gjort at dei som har investert, og dei som vil investere i norsk landbruk, kan føle seg trygge på at staten stiller opp og varetek interessene når dei set seg i djup gjeld for å produsere maten vår for framtida. Det er det heilt avgjerande at vi har fått til. til. Så er det viktig at norsk jordbruk kjem til å verte utsett for meir konkurranse over tid. Derfor er det viktig at vi styrkjer konkurransekrafta, og det er eit viktig sjølvstendig poeng at vi styrkjer konkurransekrafta i staden for berre å snakke om kor mykje pengar vi brukar på jordbrukssektoren utan å vere like opptekne av kva vi får igjen for pengane. Reduksjon i bruksavgang, auka sjølvforsyningsgrad,

agerer? Det andre, for å følge opp Solbergs spørsmål: Finnes det egentlig noe annet suksessfylt europeisk land å vise til som har gått på den veien som statsråden peker på, men som stortingsflertallet tydelig stritter imot? Eg har varsla ei melding om landbrukssektoren som skal kome til Stortinget. Eg kjem til å handtere alle spørsmål knytte til innretting og enkeltforslag Men vi treng ikkje eingong å gå utanlands for å finne suksesshistorier. Denne regjeringa har – i lag med samarbeidspartia – bidrege til å liberalisere jordbruksmarknaden, i 2014 og i 2015. Det vi ser, er at saman med andre faktorar, som ein forsvarleg økonomisk politikk, som gjev rentenedgang, som gjev investeringsvilje, aukar faktisk lønsemda i landbruket. Det gjer ho fordi folk ser grunnlag for å satse og investere og finn lønsemd i sin eigen produksjon.

gjør sitt til at man tross alt kommer så godt ut som man gjør når det gjelder inntekter. Jeg har registrert i løpet av denne debatten at målet om å tette inntektsgap har blitt uttrykt av de fleste partier i Stortinget i dag som et viktig mål i landbrukspolitikken – å bevege seg over fra prosenter til kroner, og at det er kronene i lomma som til slutt Og mitt spørsmål er: Vil dette ha noen betydning for statsråden når han neste vår, forhåpentligvis, kanskje, skal utforme tilbud til landets bønder? Eg er glad for at Arbeidarpartiet håpar at det er eg som skal utforme det tilbodet også neste år. Eg er også glad for at Arbeidarpartiet gjev uttrykk for at vi trass alt er i ein tilstand der mange kjem godt ut. Grunnleggjande sett: Skal vi sørgje for rekruttering til landbrukssektoren, og skal vi sørgje for at nokon fordi det er verdifullt å produsere mat, må det også vere lønsemd i botnen. Eg opplever at stadig fleire bønder tør å fortelje at dei tener pengar. Få ting gleder ein sunnmøring meir enn at det er mogleg å tene pengar på sin eigen forretningsidé. Men inntektsutviklinga dei tre siste åra har vore formidabel for jordbruket. 18,75 pst. er analysen som normalisert rekneskap legg til betydeleg meir enn for andre grupper. Det er faktisk slik at andre grupper har prognostisert ei inntektsutvikling for desse tre åra på 41 400 kr, mens jordbruket er på 56 600 kr. Eg trur 56 600 kr er meir enn

Regjeringen skriver at kommunen, gjennom sin rolle som lokal arealmyndighet, er den viktigste aktøren. Og derfor satte komiteen nettopp dette øverst på ønskelisten, for å få gode tiltak. Statsråden og regjeringen leverer ved at man styrker den veiledningen som allerede finnes overfor kommunene. Regjeringen viser også til NTP. Komiteen visste vel om NTP da vi behandlet denne saken i høst. Vi har satt oss et ambisiøst mål om en omdisponering på under 4 000 dekar per år. Men med respekt å melde å styrke en veiledning overfor kommunene det eneste positive virkemiddelet som Landbruks- og matdepartementet klarte å få til når det gjelder en av de viktigste innsatsfaktorene for å øke norsk matproduksjon? Regjeringa har vorte beden om å leggje fram tiltak jamleg, første gongen i revidert nasjonalbudsjett, seinare også i budsjett, som gjer at vi kan redusere talet på mål med nedbygd jordbruksareal til 4 000 innan 2020. Alt er ikkje gjort over natta. Det har eg behov for å vere ærleg på. Trass alt ligg hovudansvaret for reguleringsprosessar i kommunane. Det trur eg denne regjeringa og Kristeleg Folkeparti har som eit felles verdigrunnlag. Ein fattar best avgjerder når dei er fatta tett på der som folk bur. Det gjer at det å styrkje kompetansen til kommunesektoren, som gjer desse vurderingane, er noko som ein ikkje skal kimse av, meiner eg. Samtidig har vi peika på andre tiltak, bl.a. at vi kjem til å følgje opp dette i NTP. Men vi kjem også til, i tida framover, å jobbe med fleire andre forslag, og eg jobbar no tett med KS for å bidra til å fortsetje å styrkje arbeidet for å nå dette målet i 2020.

I høyringa understrekte statsråden at han betrakta ei prosentvis lik utvikling som gjeldande inntektsmål, slik eg har oppfatta han. No har han fått ei innstilling som seier at ein samla komité står bak det å redusera inntektsgapet mellom jordbruket og andre. Meiner statsråden fortsatt at prosentvis lik inntektsutvikling er gjeldande inntektsmål for landbruket, eller oppfattar statsråden det som Stortinget har sagt, slik Stortinget har sagt det? Det inntektsmålet som denne regjeringa har basert sin politikk på, er det same som Senterpartiet baserte sin politikk på dei åtte føregåande åra. At det målet plutseleg er uansvarleg, synest eg det er verdt å merkje seg, også for dei andre partia som sat i den regjeringa. Eg ser

Men for å få til de markedsinntektene er norsk landbruk og norsk næringsmiddelindustri helt avhengig av et velfungerende tollvern. Vi ser at det har vært et stup for de europeiske prisene, og det er store utfordringer, mens vi ser at det i det norske markedet har vært stabilitet, og at man har tjent penger, som har kommet hele landet og hele det norske landbruket til gode. Fremskrittspartiet kritiserte kraftfullt de forbedringene i tollvernet som den rød-grønne regjeringen gjorde i forrige periode, og som jeg sto i spissen for. Fremskrittspartiet har tidligere sagt at det er et mål å redusere tollvernet, og da er mitt spørsmål til statsråden: Ser også han det som et mål å redusere tollvernet, eller mener han det er bra å ha et velfungerende og godt tollvern? Eg meiner at mi hovudoppgåve er å gjere jordbruket i stand til å møte ein situasjon der ein får auka internasjonal konkurranse. Stortinget har vedteke at Noreg skal liberalisere sin jordbruksmarknad over tid rett nok ikkje utan å få noko igjen for det, men likevel: Stortinget har vedteke at vi skal liberalisere jordbruksmarknaden. Viss vi skal ta det inn over oss, må vi også ta inn over oss at det å skulle gå inn i ein situasjon no og tru at vi kan mure oss inne, er å lure både seg sjølv og bøndene, for ein kjem gradvis, over tid, til å møte auka internasjonal konkurranse, denne regjeringa klarer å leggje til rette for at ein i større grad er i stand til å møte den konkurransen. Difor er det så viktig at vi klarer å bruke dei marknadsmekanismane som ligg der, for å styrkje både produksjonsevna og lønsemda. På svært mange områder er

at løsdrift gir bedre dyrevelferd i storfehold. Som jeg nevnte i mitt hovedinnlegg, er det et betydelig investeringsbehov for å imøtekomme kravet om løsdrift i storfehold, særlig for små og mellomstore bruk. Derfor må investeringsvirkemidlene økes. Det kan ikke være slik at en ved å utsette løsdriftskravet i ti år får en slakk i investeringstakten. Tempoet må holdes oppe. Spørsmålet er da: Hvordan vil statsråden bidra til at tempoet i overgangen til løsdriftsfjøs blir holdt høyere enn i dag? Norsk mjølkeproduksjon kjem i framtida til å finne stad i lausdriftsfjøs. Det er eg heilt overtydd om. Det vi har sørgt for med denne jordbruksavtalen, er at dei som faktisk får nokre år til på omstilling, sånn at vi kan ha dei med oss vidare for å produsere mat over heile landet, som eg opplever at Venstre er oppteke av. Gjennom desse jordbruksforhandlingane fekk staten eit krav om å auke investeringsverkemidla med 17 mill. kr – felles for jordbruket. I det tilbodet som vi gav, føreslo vi å auke med 26 mill. kr, altså meir enn det jordbruket kravde. Det gjorde vi sjølv om vi la lausdriftskravet på bordet. bordet. Det seier noko om min vilje til å bidra til at vi skal klare å kome oss gjennom den investeringsbølgja som norske mjølkeprodusentar – og for så vidt ein del andre produsentar – står framfor i åra som kjem. Replikkordskiftet er omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil

på bekostning av de små og mellomstore brukene. En slik prioritering vil etter Arbeiderpartiets mening bidra til at en ikke når målsettingen om et landbruk over hele landet. Jordbruksforhandlingene ville utlignet deler av disse skjevhetene i årets oppgjør, men statens første tilbud la ikke opp til det. det. Bondelaget sier at de vektlegger at de gjennom avtalen klarte å framforhandle ordninger og sikre mangfoldet i landbruket bedre enn det som lå inne i statens tilbud, og det er bra. Arbeiderpartiet har tradisjon for å støtte inngåtte avtaler i jordbruksoppgjøret for ikke å bidra til å svekke forhandlingsinstituttet. Det vil vi, som tidligere nevnt, også gjøre denne gangen.

I tillegg stemmer et flertall i komiteen sammen på flere områder som vil bidra til å gjennomføre de målene stortingsflertallet har uttrykt tidligere. Jeg nevner viktigheten av et sterkt landbruk over hele landet, basert på norske ressurser. Dette ivaretar også en god klimaprofil. Behovet for økt utbyggingskapasitet må følges opp med tilstrekkelig tilgang til investeringsmidler i årene framover. Det er viktig å styrke differensieringen av virkemidlene, slik at en kan opprettholde lønnsom drift og en variert bruksstruktur. Kanaliseringspolitikken er også klimasmart. Ved utfasing av eksportstøtte må en iverksette kompenserende tiltak.

retning. Da blir det spennende å se om samarbeidspartiene forvalter dette flertallet overfor regjeringen godt i framtidige oppgjør og i den varslede landbruksmeldingen. Det føles godt for en Høyre-representant fra landbruksfylket Nord-Trøndelag at det er

– og det innad i organisasjonene. Når disse interessene er samordnet, skal det forhandles med staten, som skal forme sine mål for landbrukspolitikken. Dette er et arbeid det står stor respekt av, og som det er gjensidig forståelse for. Å drive et lønnsomt og innovativt landbruk bygger på Gårdbrukeren er den selvstendige bedriftseieren som må få nye muligheter bl.a. gjennom forenkling av regelverk og rapportering, som i en enmannsbedrift gjerne kan være en kostbar tidstyv. Her må jeg hevde at regjeringen med er det, som vi sier i Trøndelag, når det pågår, men ingen vil tilbake til mer regulering. Forbedringer skjer best i god dialog med partene, og det gir forutsigbarhet. Dette viser at utviklingen i norsk landbruk går i rett retning. Ekstra hyggelig for næringen er det når det er politisk bestemt at norsk matproduksjon skal økes. I Høyre kaller vi det nye muligheter for bonden og næringsmiddelindustrien. Husk at denne næringen skal forsyne det norske folk med mat minst fire ganger hver dag. For en mulighet! Selv om vi alltid har visst at det er slik, oppleves det best når etterspørselen er størst. Vi husker mange frustrasjon, der en måtte betale for å holde igjen produksjonen. Nå har markedet snudd. Vi er blitt flere nordmenn. Nå betaler vi for å få produsere mer mat – i tråd med Stortingets ønske. På den måten øker produksjonen i henhold til nasjonale mål. I Norge legger vi stor vekt på matkvalitet og helse. Det skal vi ta vare på i et rent miljø. Avslutningsvis: En skal ikke gråte over det en ikke får til, men glede seg over det en får til. Derfor skal Stortinget glede seg mer enn å gråte i denne saken. Jordbrukets organisasjoner fremmer sitt krav, staten ved forhandlingsleder Leif Forsell svarer med et tilbud, avstanden er

Jordbruksforhandlingene mellom staten og jordbrukets to faglag, Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget, er forberedelse til Stortingets behandling av de årlige jordbruksoppgjørene. Både krav og tilbud skal ha sitt grunnlag i Stortingets flertallsvilje, og tallmaterialet for forhandlingene skal være omforent mellom partene for det året forhandlingene skal gjelde for. Sånn er det ikke i dag. Hovedavtalen av 1950 for jordbruket sier i § 1 hva som er formålet med jordbruksforhandlingene: «Avtaleverket for jordbruket har til formål å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket.» Det hersker ingen tvil om at Stortinget har et sjølstendig ansvar for å ta stilling til forhandlingsresultatet, jf. NOU 1988:10 om hovedavtalen i jordbruket. Når enkelte stortingsrepresentanter uttaler at det bare er å stemme ja til den framlagte proposisjonen, og at noe annet vil være å svekke legitimiteten eller være i strid med avtaleinstituttet, er dette konstitusjonelt feil. Situasjonen i dag er denne: Mens Stortinget sier at jordbruket skal øke matproduksjonen på norske ressurser, er den faktiske situasjonen at norsk jordbruks evne til å produsere mat med norske ressurser svekkes for hvert år. Stortingets godkjenning av tidligere jordbruksoppgjør har ført til en utvikling i norsk jordbruk som ikke er i tråd med Stortingets målsettinger. Dette faktum er for øvrig påpekt av Riksrevisjonen. Det er ikke noe nytt at det er konflikt mellom ulike målsettinger for norsk jordbruk, men sjelden har det vært mer synlig enn i dag. Gjennom de siste årene er disse målkonfliktene prioritert slik at jordbrukets viktigste samfunnsoppgave, nemlig nasjonal produksjon av nok og trygg jordbruksmat som vi naturlig kan produsere i Norge, stadig svekkes. Kornprisen legger grunnlag for kraftfôrprisen, og kraftfôrprisen bestemmer verdien av graset som produseres. Kraftfôrprisen bestemmes i jordbruksoppgjøret. Dagens ekstremt lave kraftfôrpris fører til at husdyrproduksjon fra drøvtyggere baserer seg mer og mer på kraftfôr og stadig mindre på gras. Stortingsflertallet har gitt uttrykk for at de ønsker økt sjølforsyning. Da kan ikke det samme stortinget legge til rette for priser på melk, kjøtt og kraftfôr og kostnader for gras som gjør at det for gårdbruker blir mer og mer lønnsomt å bruke importert Norge gror sjølsagt igjen. Når vi er kjent med den forvirring som råder i jordbruksdebatten, er det viktig å få en avklaring av hva som menes med målsettinga om økt matproduksjon på norske ressurser. På denne bakgrunn fremmes følgende forslag til vedtak: «Stortinget legger til grunn at «økt matproduksjon på norske ressurser» betyr at planteproduksjonen i Norge må øke, og at kornimporten må reduseres.» Jeg tar opp mitt forslag nr. 7, og på denne bakgrunn og med dette innlegg er det også naturlig og nødvendig for meg å stemme mot godkjenning av årets jordbruksavtale, og jeg vil derfor stemme for forslag nr. 4. Da har representanten Per Olaf Lundteigen tatt opp det forslaget han refererte. Landbruket blåser liv i landet vårt. Det er dette vi skal bygge videre på og

I 2014 ble det en dreining i tilskuddene til fordel for større bruk, noe som har ført til at inntektsavstanden mellom små og mellomstore bruk og større bruk har økt. I årets oppgjør ble det framforhandlet ordninger som skal sikre at mangfoldet i landbruket forbedres ut fra det som lå inne i statens tilbud. 100 mill. kr i budsjettstøtte målrettes nå til små og mellomstore bruk i Stortingsflertallet, uten Høyre og Fremskrittspartiet, er tydelige på at det er viktig å styrke differensieringen av virkemidlene, slik at en opprettholder en variert bruksstruktur og sikrer bærekraftig produksjon på jordbruksarealet over hele landet. Det samme flertallet mener at regjeringen ikke i tilstrekkelig grad har fulgt opp jordvernsstrategien. Selv om det i dette oppgjøret har blitt fokusert mer på små og mellomstore bruk, er det verdt å merke seg at regjeringen i sine tre år ved makten, som representanten Storberget sa, kun har gått inn med kun har gått inn med 145 mill. kr, sammenlignet med de tre siste rød-grønne årene, hvor vi gikk inn med 1 mrd. kr i økning på budsjettmidlene. Regjeringen har med dette oppgjøret gått på tvers av egen politikk med å sende en større regning til forbrukerne, gjennom å øke målprisene og økte budsjettmidler, tross egne løfter om å redusere dem.

Det er også gledelig å lese i Nationen 26. mai at antall konkurser i landbruket er halvert siden 2011. Banksjefen for landbruket i SR-bank peker på at de største produsentene, som tidligere var mest utsatt for konkurser, fikk god uttelling i jordbruksoppgjøret i både volum og tilskudd. I tillegg har økonomien generelt blitt bedre grunnet en lengre periode med høyere priser på mat og Gode gressavlinger bidrar også til at produksjonen øker. Bøndene driver sunt økonomisk, har god økonomistyring og produserer produkter av høy kvalitet. Sammenlignet med andre europeiske land har vi en svært frisk og sunn dyrestamme. Det brukes rekordlave mengder antibiotika, og Norge er kanskje det landet som har satset aller mest på seriøst avlsarbeid. De siste årene har det vært rekordstore investeringer i landbruket.

Likevel er det de mange gode tilbakemeldingene fra bøndene jeg velger å lytte til hva gjelder tidene i landbruket. Om ti dager pakker jeg praksisbilen og skal kjøre dyrlegevakt i tre–fire uker. I mitt virke møter jeg mange ulike bønder. Det som gleder meg mest, er å få se og høre at de trives i sitt yrke. Det skal innrømmes at det var tunge år for noen år siden da de som hadde investert i nye fjøs og driftsapparater, hadde det vanskelig økonomisk. da de som hadde investert i nye fjøs og driftsapparater, hadde det vanskelig økonomisk. For dem som har investert og satser på framtiden, har vilkårene blitt langt bedre, som f.eks. vridningen av tilskudd fra areal til produksjon. Det har stimulert til økt produksjon og bedre utnyttelse av ressurser. Vi må heller ikke glemme at det har skjedd en rivende utvikling innenfor det teknologiske området i landbruket. Melkeroboten, bidrar til at det er mulig å ha flere dyr og drifte større arealer med færre årsverk. Arbeidshverdagen til en bonde har, til liks med arbeidsdagen til mange andre yrkesgrupper, blitt ganske mye annerledes på få år. Som i andre næringer og yrker må vi hilse teknologisk utvikling og effektivisering velkommen og ikke prøve å sette bremsene på, slik jeg opplever at enkelte andre partier her i salen prøver på. Det er

mye. Rundt to milliarder av verdens befolkning har for lite å spise, mens nesten like mange er overvektige. Feilernæring står for en tredjedel av alle barnedødsfall i verden. Som helsepolitiker vil jeg si at matpolitikk, det er storpolitikk. Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket gir levende lokalsamfunn. Og landbruket bidrar til våre fellesgoder. I en verden med en voksende befolkning er landbruk et nasjonalt ansvar som de fleste nasjoner er opptatt av. Arbeiderpartiet mener det er grunn til å gi ros til Bondelaget, som flere fra mitt parti har sagt i denne debatten, for tross alt å ha fått framforhandlet en avtale. Flertallet i Stortinget, med regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, har støttet opp om den kursendringen vi har sett de siste årene, med en omfordeling av tilskudd fra små og mellomstore bruk. Vi har merket oss at landbruksministeren mener at årets avtale viderefører linjene fra de to siste jordbruksoppgjørene, og dette er en kursendring Arbeiderpartiet ikke har støttet. Selv om avtalen i stor grad viderefører profilen fra tidligere oppgjør, ser vi det som positivt at det i årets avtale er bevegelse i retning av å styrke de små og mellomstore brukene. Vi mener det er nødvendig for å nå Stortingets mål om økt matproduksjon basert på norske ressurser.

Det vi har av matjord, må brukast til å produsera korn der det er grunnlag for det, og elles til grasproduksjon. Dei store beiteressursane i dalføra og i fjellet kan berre haustast av drøvtyggjarar som sau, geit, kyr og anna storfe. Da må vi ha eit høgt dyretal i vestlandsfylka – Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det krevst mykje arbeid og høg kunnskap for å driva med husdyravl, mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon her. Store delar av arealet i desse fylka er frå naturen si side små og bratte. Dei grensar mot fjordar, vatn, elvar og bekkefar, vegar, hamrelag og fjell. For dei som tenkjer kroner og øre, er areala tungdrivne og lite effektive, men det er dette landet vi har, og det er desse areala som må drivast. Jordbruksavtalen som Stortinget behandlar i dag, skal leggja grunnlaget for om desse vestlandsareala i framtida skal vera lønsame å bruka eller ikkje. Men alle som kjenner Vestlandet, ser at store areal vert stadig mindre brukte og etter kvart gror igjen. Dette er stikk i strid med folks forståing av Stortingets fleirtalsvilje om auka Denne negative utviklinga er eit resultat av valet til dei enkelte gardbrukarane innanfor dei rammevilkåra og framtidsutsiktene som ein ser for bruk av eigen gard. Store areal på Vestlandet vert drivne ikkje på grunn av, men trass i dagens jordbrukspolitikk. Det er Stortinget som har ansvaret for å avklara kva ein vil med jordbruket på Vestlandet. Stortinget må på eit sjølvstendig grunnlag ta stilling til forhandlingsresultatet, om det er i tråd med den jordbrukspolitikken som er til gagn for landet, eller ikkje. I innstillinga kjem Stortingets dobbeltkommunikasjon på dette området tydeleg fram. Men dersom ein ikkje ønskjer ein variert bruksstruktur med lønsam drift også på mange av dei små og tungdrivne areala på Vestlandet, må ein vera ærleg og seia det. Ut frå Senterpartiets program meiner eg at ein må Ut frå Senterpartiets program meiner eg at ein må støtta forslaget om at auka matproduksjon på norske ressursar må bety at planteproduksjonen i Noreg må auka, og at kornimporten må reduserast. Det må løna seg å produsera gras på Vestlandet – heilt

Komiteen understreker at jordbrukets viktigste oppgave er å produsere mat. Av hensyn til beredskap, ressursutnytting, verdiskaping, sysselsetting og av klimahensyn er det viktig at norsk jordbruk produserer de matvarene som det er naturlig å produsere i Norge, og i et omfang som kan dekke innenlandsk etterspørsel og lønnsom eksport. Jeg merket meg at under debatten om Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå målene om økologisk landbruk

Det første er: Det må lønne seg å produsere. Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet viser til at vridningene i tilskuddsordningene for å stimulere til økt matproduksjon og mer effektiv gårdsdrift fra 2014 og 2015 legges til grunn også for årets avtale. Dette gir forutsigbarhet for landbruket og legger til rette for at bønder som vil satse og investere i norsk landbruk og norsk matproduksjon, gjennom denne avtalen fortsatt får gode muligheter til For det andre: Det må være lov å satse. Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, peker videre på at det er stor optimisme og investeringslyst i norsk jordbruk. Det er viktig, ikke minst for rekrutteringen til næringen, at det er mulig for den enkelte bonde å modernisere og videreutvikle alle brukstyper. For det tredje: Landbrukspolitikken må favne både store, mellomstore og små bruk. Skal vi nå produksjonsmålet, må vi gi alle bruk en mulighet til å utvikle potensialet den enkelte gård har, og være effektive. Regjeringen har lagt opp til en politikk der også gårder med store arealer og stor produksjon får betalt for sin merproduksjon. På den annen side vil jeg gi uttrykk for glede over at løsdriftskravet blir skjøvet ut i tid. Jeg tror ethvert krav som utløser et behov for betydelige investeringer, vil føre til automatisk avvikling av mange bruk, ikke minst der hvor man er nær et generasjonsskifte. Det ble enighet mellom staten og Norges Bondelag om jordbruksavtalen for 2016–2017. Det er

at Norge må ta sin del av ansvaret for matproduksjonen i verden. Vi har som målsetting å øke produksjonen med 20 pst. Det er mulig å få dette til dersom vi tar hele landet i bruk og retter virkemidlene inn slik at ikke bare de største brukene blir tilgodesett. I 2014 ble det gjort en dreining i tilskuddene til fordel for større bruk, noe som har ført til at inntektsavstanden mellom små og mellomstore og større bruk har økt. Det er å gå i feil retning. Det er viktig for næringen at Bondelaget i år gjennom forhandlingene har fått fram 100 mill. kr i økt budsjettstøtte, spesielt målrettet mot små og mellomstore bruk. Det er å gå i riktig Landet vårt er organisert slik at det mange steder bare er grunnlag for mange små bruk som ikke enkelt kan bli slått sammen til ett stort. Så får vi ta konsekvensen av det, ta utgangspunkt i den strukturen vi har, og i de stedbundne ressursene hva gjelder beite og tilgang på grovfôr, og rette støttetiltakene i større grad inn på det. Da blir det også mulig å redusere importen av kraftfôr. Arbeiderpartiet ønsker landbruk over hele landet. Det styrker spredt bosetting, og det skaper levende lokalsamfunn. Om vi skal lykkes i å bevare og utvikle landbruk over hele landet, må det være inntekter til å leve av. Det er nødvendig med oppbygging av lønnsomheten i landbruket, også rettet mot små og mellomstore bruk, det gjelder både drifts- og investeringsmidler. Om unge mennesker skal satse på landbruket, må det være forutsigbart og mulighet for å leve av det. Så til slutt: Presset på matjorda til bruk til andre formål er sterkt, spesielt nær storbyene. Det er bekymringsfullt. En så liten del av Norges areal er egnet til så vi har ikke mer å avse til andre formål. Matjorda er opptatt. Jeg vil si det slik at matjorda må være låst til den bruken den skal ha, den er utviklet gjennom mange generasjoner til sitt formål og skal ikke brukes til noe annet. Regjeringen er

Det må betegnes som en god inntektsutvikling i en tid hvor store deler av norsk arbeidsliv kan vente seg moderate inntektsøkninger, om noen i det hele tatt. Sett i lys av den sterke inntektsveksten jordbruket har hatt de siste to årene, må dette egentlig betegnes som spesielt god inntektsutvikling. Strukturendringene som ble lagd i 2014 og videreført i 2015, Dermed viderefører regjeringen stimuleringen av matproduksjon og effektiv gårdsdrift. Det har vært viktig å sørge for at rammebetingelsene for norsk jordbruk holdes forutsigbare over tid. Samtidig prioriterer årets avtale nye investeringsmidler med 575 mill. kr i investeringsstøtte. Regjeringen styrker også gress- og husdyrproduksjon i de deler av og korn- og planteproduksjon der det ligger best til rette for det. Dermed styrkes konkurransekraften både for små og større bruk i hele landet, og en større del av produksjonen kan skje med norske ressurser. I sum gir årets avtale gode vilkår for dem som vil satse på å produsere mat i Norge, og et godt grunnlag for et moderne norsk landbruk for både dagens og neste Under denne regjeringen har bøndenes inntektsvekst vært formidabel og betydelig høyere enn for andre grupper i samfunnet. Investeringene øker, søkningen til utdanningen er god, og nedleggingstakten går ned. Dette signaliserer at optimismen er høyere enn under de rød-grønne. Nå peker pilene oppover – det fortjener norsk landbruk.

Så den landbrukspolitikken som vi har ført, har skapt store verdier over lang tid, og den gir grunnlag for en unik og god matproduksjon. Så er det noen bærebjelker som har ligget til grunn for det: Vi har hatt en jordbruksavtale som har gitt stabilitet og forutsigbarhet for næringen, vi har et samvirkebasert system som gjør at man har kunnet levere varer i hele Norge – det har gitt vi har hatt et velfungerende tollvern. Alle tre har vært premisser for at vi har klart å utvikle den matproduksjonen vi har. Hovedfinansieringen av årets oppgjør er at vi har et velfungerende tollvern. Det har det også vært de siste to oppgjørene, og derfor blir det rart når statsråden sier retorisk at vi ikke kan mure oss inne, når statsråden selv bruker handlingsrommet i tollvernet nettopp til

For en annen melkeprodusent som da vil kunne få f.eks. litt over 3 kr mindre per liter, og de produserer 900 000 liter som er Fremskrittspartiets drømmemål, vil det si 2,7 mill. kr mindre i markedsinntekter. Så den politikken man fører, må man stå for over tid, for hvis man vil at folk skal satse, bygge store fjøs og investere 10–15 mill. kr, som mange gjør, så må de som investerer, vite at det For hvis man reduserer tollbarrierene, er det ikke lønnsomt å produsere f.eks. melk i Norge, for det er så mye billigere å importere det fra Tyskland eller fra Danmark. Og derfor bør statsråden fra talerstolen være tydelig på at selvfølgelig ønsker en norsk regjering stabilitet for norske produsenter og for norsk næringsmiddelindustri, og da bør man ikke gjemme seg bak en retorikk og si at det handler om å mure seg inne. Det handler om at man skal gi stabilitet for norsk matproduksjon. Så min oppfordring

Jeg må bare gjenta: Vi mener fra Arbeiderpartiets side at det er helt avgjørende hvis vi skal klare å øke norsk matproduksjon, at vi evner å ta vare på forhandlingsinstituttet, som på mange måter gir produsentene en god runde på våren. Jeg mener helt ærlig at jeg tror den næringen ville ha tapt mye om vi mistet den muligheten – på historisk sikt. Så kan man gjerne si at det skulle gjerne vært mer dette året, men det er også en del av den konstitusjonelle forpliktelsen og det valget man gjør. Så vil jeg også understreke veldig sterkt at jeg syns ikke at regjeringen og statsråden har kommet særlig godt fra det, knyttet til deres hengivenhet overfor liberalistisk tankegods når det gjelder norsk landbrukspolitikk. Det er flere som etterlyser både gode eksempler på dette og kanskje også land. Men det som er trist, er jo at vi bruker, og har brukt, veldig mye av de tre årene som har gått, på å slå tilbake liberalistiske framstøt og egentlig i veldig liten grad har fått diskutert hva slags type virkemidler som gagner politikken og matproduksjonen. Og jeg må si at noe særlig liberalistisk sug ute i befolkningen eller hos bøndene eller hos andre aktører opplever ikke jeg at det er knyttet til norsk matproduksjon – snarere tvert imot. Så min magre invitt til statsråden på tampen av debatten må jo være: Bruk nå den tiden når man skriver denne stortingsmeldingen, til å skrive om det som faktisk stortingsflertallet er opptatt av, nemlig å øke matproduksjonen at det skal være klimasmart, at dette skal være svaret inn i framtida knyttet til grønn næring, at vi skal kunne rekruttere fortsatt, at vi skal ha virkemidler som bidrar til at vi kan investere i matproduksjonen, og ikke minst det som ligger til grunn for representanten Lundteigens forslag: at vi kan evne å bruke enda mer av planteressursene her i Norge. Jeg mener at en av de viktige, sentrale delene av framtidig landbrukspolitikk er å styrke norsk kornøkonomi. kornøkonomi. Hvis vi kunne fått en stortingsmelding og en stortingsdebatt om disse elementer, og ikke bare en – jeg holdt på å si – demonstrasjon knyttet til et eller annet slags liberalistisk tankegods, så kunne det hende vi tok gode politiske skritt framover for å øke norsk gode politiske skritt framover for å øke norsk matproduksjon. Årets avtale legg godt til rette for å auke produksjonen på norske ressursar. Den prioriterer produksjonar der det er størst potensial for auke ved å ta marknadsdelar frå import: storfe, korn og grøntsektoren. Den stimulerer til auka bruk av utmarksressursane, og den reduserer stimulansen til å gå over til Det er viktig både for å auke den samla produksjonen og for å redusere importen av råvarer til kraftfôr, fordi det legg grunnlaget for større kornproduksjon enn elles. Avtala tar også omsyn til dei små og mellomstore bruka, kombinert med at dei grepa som ein gjorde med omsyn til dei med størst ressursgrunnlag, ligg fast. Vi hjelper ikkje dei små ved å hindre at dei store får vere med og bidra, for over 80 pst. av jordbruksproduksjonen kjem frå bruk med meir enn eitt årsverk. Skal produksjonen auke, må alle få moglegheit til å auke produksjonen sin, og då med grunnlag i dei ressursane som dei har tilgjengeleg. Så innstillinga og avtala sørgjer for at norsk landbruk baserer seg på auka matproduksjon over heile landet i smått og stort – og stort er

Unge investerer i nye fellesfjøs, og vi held oppe drift på same arealvolum som før. Det viser ein optimisme som det er lang tid sidan vi har sett. Vi produserer nok egg og sauekjøt til å dekkje eige behov. Nokre tar til orde for dette med importvern. Eg er einig med statsråden når han seier: Det hjelper ikkje å mure seg inne. Vi lever i ei verd der spesielt Noreg er avhengig av handel med omverda, og då er ikkje løysinga å byggje murar rundt oss. Til slutt: Når ein høyrer dei raud-grøne partia klage over resultatet som no er kome fram: Småbrukarlaget har brote i seks av dei sju siste åra. Kva betyr det? Det betyr at dei sju siste åra. Kva betyr det? Det betyr at desse partia har ikkje levert noko særleg betre når det gjeld forhandlingsinstituttet. Tvert imot har den blå-blå regjeringa klart å levere betre enn dei raud-grøne klarte den tida dei sat med ansvaret.

og av Oskar J. Grimstads siste innlegg her kunne ein nærmast få inntrykk av at årets oppgjer inneber ein reduksjon av inntektsforskjellane. Det står i proposisjonen at inntektsforskjellane auka med 2 000 kr per årsverk. Då trur eg me bør halda oss til det. Den same Oskar J. Grimstad viste til at Småbrukarlaget har brote i seks av dei sju siste åra. Han kunne like godt ha sagt seks av dei siste åtte, men ei slik verkelegheitsforståing passar openbert ikkje inn. Så er Senterpartiet dei første til å gleda seg over ting som går godt i norsk landbruk. For det første gleder me oss litt over at me har fått ein ny statsråd på området. Partiet er det same, men det er langt enklare å ha ein fornuftig landbruksdebatt. Det trur eg er positivt for landbruket. Det andre me kan gleda oss over, er at me har ein bondestand som er robust nok til å stå opp mot fire år med ei blå-blå regjering. Og er avlingane gode, er det slik at me gleder oss over det i Senterpartiet, anten me sit på traktoren, eller me sit i stortingssalen. Når det gjeld inntektsmåla, framstår det som om det er betydeleg forvirring hos Høgre og Eg gleder meg over at Venstre og Kristeleg Folkeparti har vore så tydelege på at her skal ein tetta gap. Når det gjeld det å styrkja differensieringa av verkemidla, er det openbert at her har Høgre og Framstegspartiet forstått kva som står, for den merknaden er dei ikkje med på. Det er like fullt ein fleirtalsmerknad. Det må få konsekvensar. Når det gjeld representanten Lundteigens beskriving av dei konstitusjonelle sidene av jordbruksoppgjeret,

regjeringa snakkar om, når ein snakkar om å gjera dei store bruka større. Senterpartiets leiar utfordra meg konkret på tollvern. Det vil alltid vere ein debatt og ein nødvendig balansegang å gå opp mellom tollsats og tollfrie importkvotar. Under Senterpartiet i regjering auka dei tollfrie importkvotane – gjennom artikkel 19-forhandlingane og avtalane dei fekk til då – men Senterpartiet kan føle seg trygg på at denne regjeringa forhandlar med sikte på å vareta norske interesser i artikkel 19-forhandlingane. To ting som overraskar meg, eller som eg iallfall meiner det er nødvendig å summere opp med i denne debatten, er at alle vil ha meir matproduksjon, men nokre vil ikkje at det skal løne seg å produsere meir. Eg trur ikkje vi får lønsemd i produksjonen og meir matproduksjon viss ikkje det er stimulans til å produsere meir. Og kvifor er det feil – i jordbruket, i motsetning til i alle andre sektorar – at viss du leverer to liter mjølk, får du dobbelt så mykje betalt som viss du leverer éin? Kvifor er det eit problem at det er slik i norsk landbrukspolitikk? Eg meiner at det openbert er slik at det skal løne seg å produsere meir. så mykje betalt viss ein produserer to liter mjølk som viss ein produserer éin liter mjølk. Eg meiner at når fleire her snakkar om auka grasproduksjon og mindre kraftfôrimport, må det gje eitt sluttresultat, nemleg at det vert mindre lønsamt å produsere gras i kornområda – slik eg først la til grunn i statens tilbod – for det er det einaste som kan få opp Viss dette er signala eg skal ta med meg frå denne debatten, gjer det meg roleg. Men til alle dei som meiner at auka kraftfôrpris er det einaste saliggjerande, spør eg meg: Korleis trur dei det vil slå ut for svineprodusentane og for kyllingprodusentane? Er ikkje produksjonen dei bidreg med, viktig for norsk landbruk? Er ikkje botnlinja deira viktig? Skal vi berre auke som gjer at dei vert mindre konkurransedyktige? Og så er det alltid ein diskusjon i Stortinget knytt til soya og import av det. Eg skulle for så vidt ønskje at vi hadde klimatiske forhold til å produsere proteinet vårt sjølve – men det har vi jo ikkje. Når vi forbaud å bruke fiskemjøl og kjøtbeinmjøl i fôret vårt, måtte vi erstatte det med ei anna proteinkjelde. Alle dei som angrip import av soya, har det til felles at dei ikkje peiker på alternative proteinkjelder for norsk kraftfôr. Det betyr – viss ein skal ta dei på alvor – mindre konkurransekraft for dei næringane i Noreg som er heilt avhengige av at kraftfôret har ein pris som gjer det mogleg å produsere

og vil faktisk reversere endringer som denne regjeringen har fått til. I denne sammenhengen kan det være verdt å minne om at det faktisk var Arbeiderpartiet som satte fart på strukturrasjonaliseringen under Brundtland-regjeringen på 1990-tallet, fordi de helt klart så at det var nødvendig. Dette er ganske utførlig beskrevet i Per Harald Grues memoarer, bind to, som jeg har på nattbordet. Arbeiderpartiets politikk var den gang ganske lik den som føres av Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen i dag, partiene hadde faktisk mange felles forslag i den perioden. Arbeiderpartiet har faktisk hatt i sitt program at de vil styrke bøndenes rolle som selvstendig næringsdrivende, de vil redusere detaljstyringen og ha økt bruk av markedssignaler. Det har stått at hvilke inntekter den enkelte jordbruker oppnår, er et resultat av en rekke forhold som utøverne bestemmer over. Da gjenstår det å se om Arbeiderpartiet virkelig har gjennomgått en så stor endring som det høres ut som her i dag. Takk for en lang og god debatt. Vi gleder oss over at regjeringen har fått flertall for store deler av innstillingen, som vi håper og tror vil videreføre og forsterke den positive utviklingen som vi ser i landbruket i dag. Jeg er

og derfor er vi ved et nøkkelpunkt. Når statsråden sier at det slår sterkt ut for svineprodusentene, er det feil. Grisen er blant de mest effektive til å foredle kraftfôr til kjøtt. Det slår sterkest ut for sau og lam og deretter for storfe – nettopp de dyrene som har evne til å spise gras. Økt kraftfôrpris har det vært en diskusjon om i norsk jordbrukspolitikk gjennom alle år. Det har vært uenigheter om det, men det er viktig å klarlegge her at det er en nøkkel til å forstå at Norge gror igjen. Lav kraftfôrpris fører til at Norge gror igjen, at det blir overskudd på rundballer, fordi det ikke er lønnsomt for gårdbrukere å bruke det graset. Det er mer lønnsomt å bruke kraftfôr. Det andre punktet jeg vil si litt om: Fremskrittspartiets statsråd er stolt av Fremskrittspartiets jordbrukspolitikk. La oss ta en liten blodprøve. Fremskrittspartiet vil svekke importvernet. Høyre arbeider for ikke å ha noe eget norsk jordbruksmatvaremarked i det hele tatt. Det sies her at en ikke skal mure seg inne. Som Høyre sier så kjekt: Hva er konsekvensen? – Sterk reduksjon i markedsprisene. Det rammer dem som driver størst, mest. Det fører til at de må ha enda større bevilgninger over statsbudsjettet. De vil bli enda mer statsstyrte. Fremskrittspartiet og Høyres politikk er mer statsstyring av de jordbruksgårdene som driver stort – stikk motsatt av hva de prøver å fortelle oss. Det er mindre robust det de gjør. Det Fremskrittspartiet og Høyre gjør, er å føre norsk jordbruk lenger og lenger i samme retning som Danmark, med enorme gjeldsbyrder, med enorm sårbarhet for rentepolitikken. Det er ikke godt for en ungdom å gå om bord i en politikk som innebærer at man nærmest dobler volumet per time hvert tiende år. Det går ikke. Jeg vil, som gammel fylkesagronom, advare ungdom mot å gå om bord i dette. Det er sårbart, det er risikofylt, det er ikke forsvarlig. Det som trengs, er at politikken legges om. En må ikke investere så sterkt i store bygninger, men investere i jord, i fruktbar jord, for vi har for lite jord. Det er jorda som danner grunnlaget for planteproduksjonen, og det er den det må investeres i for å få opp sjølforsyningsgraden. Det er essensen i mitt

fra Arbeiderpartiet … Knut Storberget. Knut Storberget, ja … Beklager. Jeg stilte representanten Storberget noen spørsmål når det gjaldt hva som skulle til for å få økt matproduksjonen i Norge, og representanten sa at jordvern var en av de tingene som var viktig for Arbeiderpartiet. Det er Vi har en jordvernstrategi som det er enighet om i Stortinget. Den skal vi forholde oss til, og den er det viktig at vi forholder oss til. Da er det også viktig å se hvordan utviklingen når det gjelder omdisponering, har vært de siste årene. Den har hatt en positiv utvikling, den er inne i en positiv utvikling, og jeg tror at målet vi har satt om 4 000 dekar innen 2020, er klart oppnåelig. Samtidig er det viktig å ta med seg at vi nydyrker en god del areal i Norge. I 2015 nydyrket vi over 16 000 dekar, og i 2014 over 18 000 dekar. Dette er selvsagt med og bidrar til at vi får en økt produksjon i Norge.

kr. Den maksimale prosentsatsen for generasjonsskiftetilskuddet under denne ordningen økes med 10 prosentpoeng. Dette er med og bidrar til at ungdom kan komme inn, og at de som er på vei ut, kanskje investerer mer, slik at de legger forholdene til rette for ungdommen. Han sa også at økt lønnsomhet er viktig. Det er jeg helt enig i. Økt lønnsomhet er viktig for at en skal kunne drive med norsk landbruk. Slik det ser ut nå, viser regnskapet at inntektsutviklingen i jordbruket under denne regjeringen ligger an til å bli klart større enn for andre grupper – mer enn det dobbelte målt i prosent – og klart høyere målt i kroner. I 2006 var jordbruksinntekten 47 pst. av inntekten til andre grupper. Nå er tallet 66 pst. Det tyder på at inntektsgapet er redusert.

kyllinghus. Det er det som er så viktig når vi driver med politikk: Man må ikke bare gjennomføre ting uten at man ser på konsekvensene. Dette var et eksempel på det. Det var et ideologisk prosjekt for Sylvi Listhaug bare å doble konsesjonen uten å vurdere konsekvensene for enkeltpersonen. Når vi overtar makten igjen, kan vi ikke bare gjøre justeringer i full fart over natten uten å tenke på konsekvensene av justeringene, for til syvende og sist handler det om enkeltfamilier og enkeltpersoner som har tatt kjempestore og tunge investeringer. Derfor trenger man stabilitet i landbrukspolitikken. Derfor er det så uansvarlig det dere gjorde bl.a. for kylling. Derfor er det så uansvarlig når dere omtaler tollvern som det å mure seg inne. Det handler om sikkerheten for de familiene som nå investerer opptil 10–15 mill. kr i nye fjøs. Da må de ha en sikkerhet i at vi skal stå opp for dem, og at det er trygt at de følger rådet Fremskrittspartiet nå gir om at man skal investere tungt. Da må dere si: Selvfølgelig er tollvernet bra. Det er et gode at vi har det. Det har sikret verdiskaping, det har sikret trygghet for familiene, og det har sikret aktivitet rundt omkring i hele Norge, og vi skal også gjøre det framover. Retorikken vi har hørt før, handlet om at det er å mure seg inne, være proteksjonist og ta på seg nisselua, og jeg fikk alle mulige karakteristikker da jeg var statsråd og hørte at det var uklokt. Man ser at det er nødvendig. I hvert fall partier som vanligvis sier de er opptatt av markedsinntekter, bør være opptatt av å sikre markedsinntekter for norske produsenter. Så er det også en realitetsorientering. Når vi snakker om store norske melkeprodusenter, er det småbruk. I Norge er det noen og tjue i snitt. I Danmark var det da jeg var statsråd – det er sikkert høyere nå – rundt 140. Så selv om Fremskrittspartiet skulle få fullt gjennomslag, er de norske melkeprodusentene småbruk. småbruk. Dansk melkeproduksjon har kjempetrøbbel, de klarer ikke å konkurrere selv om de er så store. Det er kjempemange konkurser i dansk landbruk. Skal vi sikre vår produksjon, må vi stå opp for disse bærebjelkene. Det bør også statsråden være trygg på og tørre å si fra talerstolen, at selvfølgelig skal han stå opp for det, at de var kloke, de forbedringene man har gjort, at man skal gjøre alt man kan for at det ikke svekkes, for det er bra for bonden, det er bra for industrien, og det er bra for landet.

Dette gir forutsigbarhet for landbruket, og det legger til rette for at bønder som virkelig vil satse og investere i norsk landbruk og norsk matproduksjon, gjennom denne avtalen fortsatt får gode muligheter til det. Vridningene i tilskuddet fra areal til produksjon har vært veldig vellykket så langt, og jeg vil minne om at der det tidligere var underskudd på der det tidligere var underskudd på lammekjøtt, er vi nå selvforsynt. Det viser at bøndene responderer godt på justeringer i tilskudd. Det regnes også med at det kan bli underdekning av norsk storfekjøtt framover, og det vil bli mindre når kvalitetstilskuddet for Dette viser at det i praksis er stikk motsatt av det som blir hevdet fra talerstolen, at det er rasering av landbruket. Det er stor optimisme og investeringslyst i norsk jordbruk, og det er derfor viktig, ikke minst for rekrutteringen til næringen, at det er mulig for den enkelte bonde å modernisere og videreutvikle alle brukstyper.

større grad av strukturdifferensiering og større grad av utnyttelse av stordriftsfordeler i produksjon. Samtidig er strukturdifferensieringen i tilskuddene opprettholdt, noe som innebærer at støttenivået relativt sett er høyere for mindre produsenter. Distriktsdifferensieringen i tilskuddene er også opprettholdt. Jeg vil igjen minne om at det er optimisme og investeringslyst i norsk jordbruk, og det tyder på at den politikken som føres i dag, der du får inntjening etter produksjon, er vellykket. Representanten Per Olaf Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Lundteigen har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Det jeg sa i mitt første innlegg, var at det ikke er noen tvil om at Stortinget har et sjølstendig ansvar for å ta stilling til forhandlingsresultatet. Når enkelte stortingsrepresentanter uttaler at det bare er å stemme ja til den framlagte proposisjonen, og at noe annet vil svekke legitimiteten til eller være i strid med avtaleinstituttet, så er dette Det er min mening, og det står jeg på. Representanten Storberget sa at det skal være høy terskel for å gripe inn i framforhandlet avtale. Ja, det har jeg forståelse for. Når en ikke griper inn i framforhandlet avtale, er det fordi en mener at det er det beste å gjøre. Det å si at en bare skal si at en bare skal si ja uansett, er ikke korrekt. Hvis en sier ja til denne avtalen, svekker en sjølforsyningsgraden. Det er den fremste samfunnsoppgaven til jordbruket. Derfor må en stemme nei til denne avtalen. Representanten

så veldig viktig. Stortinget har ein ambisjon om å fem–seksdobla verdien av havbruksnæringa. Me slit med marknadstilgang til Kina, me slit med marknadstilgang til Russland, og EU er, og kjem til å vera, ein av dei aller viktigaste marknadene våre. Skal me ein gong i framtida realisera draumen om å seksdobla verdien av havbruksnæringa og og sjømatproduksjonen vår, må me kanskje ein gong i framtida vera villige til å diskutera nettopp tollvern. No er det slik i EØS-avtalen at me ikkje kan kopla fisk og landbruk. Regjeringa har ikkje gjort det og kopla det, men eg trur nok at den dagen kjem, og initiativet til å kopla fisk og landbruk må koma frå denne og ikkje frå EU. Eg håpar og trur òg at den dagen må koma, og eg trur òg på norsk landbruk, at me kunne vore Europas spiskammers med rein og god mat og kunne selt dette til EU på ein god måte, på lik linje som at me handlar hos dei. Meir samspel med EU trur eg det norske landbruket og norsk næringsliv har godt av, og me har mykje å sjå fram til viss me klarer å få eit betre samspel med EU på nettopp dette med tollbarrierar og tollvern. Debatten går mot slutten, og eg har behov for å vere tydeleg i bodskapet på at når representanten Per Olaf Lundteigen frå Senterpartiet så klart åtvarar nye mot å gå inn i næringa, trass i – trass i, president – at lønsemda går opp, gjer han norsk landbruk urett. Vi treng norsk jordbruksproduksjon. Senterpartiet brukar å gje uttrykk for at dei er opptekne av at det skal bu folk over heile landet, og ei så klar at nye generasjonar skal velje landbruket trass i ei positiv inntektsutvikling, synest eg er veldig uheldig. Difor er eg glad for at partileiaren i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, er veldig tydeleg på ein ting, og det er at også dei store bruka i Noreg er veldig små. Det meiner eg er det fremste konkurransefortrinnet for norsk landbruk. Vi produserer ikkje mat som alle andre. Vi avlar på friske dyr i staden for å medisinere dei sjuke. Norske bønder har i generasjonar utvikla husdyrproduksjonen sin til å vere berekraftig. Teknologien som dei har utvikla, ikkje ved hjelp av meg, men ved hjelp av sin eigen kunnskap, er eksportvare for Noreg. Vi produserer mat som forbrukarane har høg tillit til, fordi dei veit at når dei vel eit norsk produkt, et dei mat som ikkje utløyser ein folkehelserisiko for dei. Det er konkurransefortrinnet til norsk landbruk. Å snakke ned verdien av det meiner eg det er grunn til å åtvare mot, for det er dei fremste grunnane til at forbrukarane bør velje norsk mat også i framtida, fordi vi gjer ting annleis. Det er eg glad for at forbrukarane i dei fleste tilfella i dag vel, men då er vi avhengige av at eit samla storting faktisk løftar det som norsk jordbruk har lykkast med over tid – heilt uavhengig av den regjeringa som til kvar nemleg å vere oppteken av måten vi produserer maten vår på, framfor å snakke ned verdien av det som vert gjort. Representanten Trygve Slagsvold Vedum har hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Som norsk hveteprodusent oppfordrer jeg alle til å spise norske hveteboller – nei, det er ikke seriøst. Men poenget er, til Ove Trellevik: Det er så uklokt å sette ulike næringer opp mot hverandre. Jeg skjønner ikke hvorfor Høyre driver med det. Hvorfor skal de sette norsk fiskerinæring opp mot norsk landbruksnæring? Det gjorde de også i den siste tollstriden vi sto i. Da jeg skulle til EU og forsvare forbedringen av tollvernet, tok ikke EU det opp. De satte ikke næringene opp mot hverandre, men da jeg kom hjem til Norge, satte Det norske stortinget dem opp mot hverandre. Høyre og Fremskrittspartiet satte norsk fiskerinæring opp mot norsk landbruk. Det er det ingen grunn Alle land har offensive og defensive interesser, og det å stå opp for vår matproduksjon er en god sak, og det er ikke i motsetning til fisk. De næringene er avhengige av hverandre. De skal støtte hverandre og ikke være i innbyrdes konkurranse. Høyre bør vite at i 1994 satte man tilgangen til et tollfritt EU-marked opp mot tilgangen til norsk hav. Så det er helt andre debatter. Vi må slutte å sette våre næringer opp mot hverandre. Vi må støtte opp om begge to.

Men dette er for Høyre en debatt om en balansert markedsadgang og et balansert tollvern. Derfor har vi sagt at vi skal ha en politikk som også rigger landbruket med en konkurransekraft som gjør at man framover kan stå seg imot de endringene som kommer. «Min båt er så liten og havet så stort» var en gammel salme. Av og til får jeg den følelsen når jeg hører representanten Slagsvold Vedum, for han driver på mange måter en filial for Vårherre. Det kan ikke være sånn at landbruket skal være overlatt til en eller annen sterk politisk kraft der noen ovenfra skal skjerme det. Vi er nok nødt til å realitetsorientere landbrukspolitikerne skal vi berge oss framover. Det er det som gjør at vi får ungdom inn i næringen. Når representanten Pollestad sier at dette skal være et generasjonsprosjekt, vel, så har ikke jeg noen tro på det, ganske enkelt fordi jeg ikke har tro på at norsk ungdom i dag hele tida tenker at det skal være et generasjonsprosjekt å overta denne gården og drive den. Norsk ungdom i dag som jeg treffer, sier at de vil ha en åpenbar vei inn i næringen, men samtidig vil de kunne se en vei ut av næringen. Hvorfor det? Jo, for

Neste taler er

enorme summar vi eksporterer for. Og alt heng saman med alt. Når det gjeld fisk og havbruk, eksporterer vi 35 millionar måltid kvar einaste dag – sunn, god norsk mat. Dette er mat med høg tillit, men med høg tillit, slik statsråden var inne på. Vi kan ta egg som eit eksempel. Reiser vi rundt i Europa, får vi, sjølv på dei dyraste og flottaste hotella, egg som er kokte så lenge at dei er knallgrøne innvendig. Det er fordi ein fryktar salmonella i egga. Då spør eg meg sjølv: Kvifor er ikkje norsk landbruk meir aktivt for å selje sine reine, friske, gode produkt til Europa? For det er eit kjøpesterkt publikum og folk og kundar som nettopp ønskjer å vere trygge på og villige til å betale for sikker mat. Det er på den måten vi burde behandle norske landbruksprodukt. I staden opplever vi i dag i altfor stor grad at næringa blir snakka ned. Ei næring der vi ser ungdommen satse, fortener å bli snakka opp. Det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

gjelder arealspørsmål for reindriften. Vi ser også fram til en ny stortingsmelding om reindriften, der man vektlegger økologisk bærekraft som prioritet én og på den måten sikrer næringen økologisk bærekraft og avklarer hva slags ansvar reindriften skal ha som kulturbærer for det samiske folk.
Neste taler er representanten

Men det er allikevel en usedvanlig viktig kulturbærer, og derfor er jeg – også på vegne av Arbeiderpartiet – veldig glad for at man i løpet av faktisk de siste årene har klart å få reindriftsavtalen i havn. Det kan drukne litt i lys av andre typer avtaler man forhandler om, men det er ingen tvil om at dette er et viktig virkemiddel for å videreutvikle næringen i tråd med de politiske målsettingene man har for For Arbeiderpartiets del har det vært viktig, på lik linje som med landbruket, at næringen sjøl kan forhandle med staten om sentrale spørsmål og økonomiske rammebetingelser for næringen. I så måte er det bra at man til tross for ganske marginale økninger i avtalen klarer å komme til enighet. Så har jeg lyst til å at man vel kanskje skal lete lenge etter et matprodukt i Norge som har større potensial enn det vi her står overfor. Jeg har gitt uttrykk for det fra denne talerstolen før og vil gjøre det også nå, at jeg mener at det er noen særlige utfordringer denne næringen har, og som jeg faktisk i rettferdighetens navn opplever at både statsråden og regjeringen har fokus på. Det første er at jeg mener at her er det muligheter for å ta og få økt omsetning. Jeg mener at det finnes vel knapt et produkt hvor man står overfor en slik etterspørselsside, og det er til alt overmål et produkt som smaker godt, men som også – etter mitt skjønn, i disse EAT-konferansetider – kan ha mange positive aspekter ved seg. Så det er all grunn til å understreke at her er det et stort potensial, og jeg mener at aktørene ikke tar det ut. Jeg var nylig og besøkte Rørosrein på Røros, og jeg er helt enig med saksordføreren – som for øvrig har gjort en glitrende jobb med denne saken – i at det er et enormt potensial også i foredlingsaspektet når det gjelder dette. Jeg må si at jeg syns det henger igjen, og at alle de grep som gjøres gjennom reindriftsavtalen som bidrar til at vi kan klare å foredle mer og bedre, vil ikke bare styrke den kulturelle bakgrunnen for denne næringen, men i aller høyeste grad norsk matproduksjon. Hos Rørosrein må jeg si at der produseres det høykvalitetsvarer som bare blir revet bort med en gang det legges i diskene – og de tar seg for så vidt ganske godt betalt, for å si det pent. Men det er bra produkter. Alle typer virkemidler, gjennom avtalen, men også ellers, som kan bidra til at vi kan klare å få opp foredlingsgraden, tror jeg vil være av det gode. Det har et enormt markedspotensial som kan utnyttes i mye større grad enn i dag. Det siste jeg har lyst til å nevne, og som ikke er mindre viktig, er at hvis vi skal klare å utnytte og øke produksjonspotensialet i reindriften, er vi fortsatt nødt til å holde et veldig intenst fokus på at reinflokkens størrelse tilpasses tilgjengelig beiteareal. Det kan smerte noen, men jeg mener at det er helt avgjørende. Vi må ikke hvile. Ifølge ressursregnskapet for reindriftsnæringen har det samlede reintallet vel gått ned fra 232 900 til 211 000 dyr, mener jeg. Det er bra at vi etter at vi i mange år har slitt med utfordringer med reintallet i deler av Finnmark, nå har dyretall som er bedre i samsvar med beitegrunnlaget. Men de endringer som ble gjort av Stortinget i hvor fylkesmennene bl.a. ble gitt adgang til å gå inn og regulere deler av en sida, er jo helt riktig, og et godt signal fra Stortinget, etter min mening, om at man holder trykket oppe. Det er ingen grunn til å hvile på laurbærene når det gjelder resultater for reindriftstallet. Hvis det rakner der igjen, forsvinner grunnlaget ikke bare for næringen, men også mye av det kulturelle aspektet

og i den samiske kulturarven. Sametinget har pekt på at reindrift er en hjørnestein i samisk kultur. Dette understreker også behovet for en sunn reindriftsnæring som fungerer både som næringsvei og som kulturbærer. Det er derfor viktig at reindriften også i framtiden får mulighet til å utvikle seg bærekraftig. Stortingets målsetting for reindriftspolitikken ble trukket opp i

Eg meiner det er viktig å understreka at utfordringane er ulike frå Finnmark til dei sørsamiske områda, og at det er ulike utfordringar som ein står overfor. Eg ser fram til den stortingsmeldinga som me skal få om berekraft. Eg har eit sterkt ønske om at den vil synleggjera dei

60, og at næringa har vist ein reell vilje til å ta tak i utfordringa med for høge reintal. Så det er bra at ein har kome til einigheit, og det er ei samla senterpartigruppe som støttar høge reintal. Så det er bra at ein har kome til einigheit, og det er ei samla senterpartigruppe som støttar tilrådinga. I likhet med det flere har sagt, er også jeg glad for at staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund er enige om en ny reindriftsavtale for 2016/2017. Jeg er også glad for at det er en samlet komité som står bak innstillingen som vi nå har til debatt. Noe noen god grunn til, all den tid man fortsetter linjen fra de siste tre års avtaler – en linje som det har vært bred enighet om. Når det gjelder komiteens merknader, vil jeg trekke fram at vi må ha en fortsatt prioritering av å oppnå målene om en økologisk bærekraftig reindrift, og vi må ha stålfokus på dyrehelse og dyrevelferd. Det må være selve bærebjelken for en rasjonell, markedsorientert næring med bærekraft i et langsiktig perspektiv, slik Stortingets målsetting for reindriftspolitikken er. Eg er

har gjort den jobben dei siste åra, og det fortener reindrifta ære for. Samtidig er det slik at utfordringane ikkje er vekke, og vi sit framleis igjen med sidaer der vi har for høge reintal. Så arbeidet må halde fram. Difor er eg også glad for at Stortinget tidlegare har slutta seg til forslaget om endringar i reindriftsloven § 60. For meg er det spesielt gledeleg at vi i denne reindriftsavtalen klarer å vidareføre det som er basisen for at vi skal kunne utvikle reindrifta vidare, nemleg at vi stimulerer til å ta ut slakt. Det gjev kjøt i marknaden, auka tilgang gjev auka etterspurnad, og det gjev grunnlag for at fleire produserer meir kjøt på eit lågare dyretal, fordi beitetrykket går ned, og fordi vi ikkje

Eg er oppteken av at vi skal klare å leggje grunnlaget for framleis styrkt reindrift, men basert på økologisk balanse. Svaret på i kva grad vi har ei berekraftig reindriftsnæring over tid, handlar om i kva grad vi har eit dyretal som er i samsvar med beitegrunnlaget. Det legg denne avtalen opp til, og det vil komande landbruksmelding også leggje til grunn.
omme. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det høver seg at Norge er tidlig ute med å ratifisere, og

I 2012 ble det innrapportert at det i Finnmark var rundt 42 000 tamrein flere enn det som var fastsatt som bærekraftig. Med et reintall ute av kontroll og for lite beitegrunnlag har det gått på dyrehelsa og -velferden løs innen tamreindriften over lang, lang tid. Flere regjeringer, før Høyre–Fremskrittsparti-regjeringen, har også sett denne utfordringen, men de har ikke klart å vise handlekraft og fremme tiltak for å løse problemet – ikke før nå. Fremskrittspartiet og regjeringen har hatt fokus på å endre innretningen på støtteordningene fra å få støtte til å ha dyr til å få mer støtte Dette har gitt konkrete, positive resultater. I 2015 ble det slaktet 14 000 flere rein enn i 2014, og slaktevekten per dyr øker. Tallene viser også en nedgang i antall tapt rein på grunn av rovdyr, noe som gir seg utslag i reduserte erstatninger.

slik at reindriftsnæringen faktisk kan bli en bærekraftig næring. Flere har ikke bedt om ordet til sak

at den var
Jeg

den også

Før Stortinget går til votering, vil representanten Rasmus Hansson framsette et representantforslag. På vegne av Miljøpartiet De Grønne og meg selv vil jeg framsette et forslag om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020. Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte. Da er vi klare til å gå til votering. Under debatten er det satt fram i

av Senterpartiet forslag nr. 2, fra Hege Jensen på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet forslag nr. 3, fra Heikki Eidsvoll Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 2, fra Høyre og Fremskrittspartiet, under debatten er rettet til å gjelde fylkesvei 84 ved Snarud og Bergshøgda.